også i denne debatten. Dere har konservative historiske bindinger som går ut over at dere begynner å snakke om hele samfunnets ansvar. Da er det passelig å avslutte dette ettminuttsinnlegget med å stille et spørsmål, nå som vi går inn i en valgkamp: Hva mener er problemet med at de svakes rettigheter blir ivaretatt på en god måte? Taletiden er ute. Presidenten må få bemerke at når representanten Kolberg sa «dere», går jeg ut fra at han ikke mente presidenten. Det er presidenten talen skal rettes til. Hvis jeg har oppfattet representanten

Tetzschner riktig, er hans bekymringer knyttet til det forhold, som jeg forstår han er opptatt av, at vi flytter makt over arbeidstakernes interesser ut av bedriften og over til en fjern fagforening. Det er det samme vi gjør når vi aksepterer å opprette kollektivavtaler i arbeidslivet. Det er det samme vi har innført gjennom hele tvistelovgivningen – ja i arbeidsretten som sådan. Da flytter vi makt fra den enkelte, ut av arbeidsplassen og til rettsvesenet. Det er også det vi gjør når vi innfører kollektiv søksmålsrett. Poenget er selvfølgelig: Hvilken makt er det vi flytter? Makt til å påtale hva? Det er makt til å påtale ulovligheter. eneste som har noe å frykte når vi utstyrer fagforeningene med en søksmålsrett, er de som ikke etterlever lover og regler. De har noe å frykte. Så litt om hva som egentlig er situasjonen for innleide arbeidstakere ute på arbeidsplassene. Noen av oss har faktisk vært i kontakt med dem. Kollektiv søksmålsrett er ikke bare for dem som er i arbeid, som ikke er innleid. Det er i høy grad for dem som er innleid. Hva er deres situasjon? Deres situasjon er at en eneste klage på rådende forhold fører til at de mister arbeidet, og at de oftest blir sendt hjem til hjemlandet og svartelistet. Det er konsekvensene av i det hele tatt å forsøke å hevde sin rett. Det er dette vi nå tar fatt i når vi utstyrer fagbevegelsen med en kollektiv søksmålsrett, slik at fagbevegelsen på deres vegne kan sørge for at lover og regler blir etterlevd i Norge, og at arbeidstakernes rettigheter blir holdt i

Jeg registrerer at representanten Henriksen i sitt innlegg sier at Fremskrittspartiet ikke ønsker en drøftingsplikt og ikke ønsker drøftinger. Det er jo fullstendig feil. I innstillingen skriver en enstemmig komité: «Å lovfeste plikt om drøfting av bruken av deltidsstillinger er særlig viktig i virksomheter som ikke er omfattet av tariffmessig drøftingsplikt.» Hele komitemerknaden er en fellesmerknad, fra alle i komiteen. Det Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet i tillegg har sagt, er at vi finner det naturlig og logisk, nå når drøftingsplikten ved innleie av vikarer er iverksatt, at man har en tilsvarende drøftingsplikt for deltidsstillinger. Det er jo ikke å gå imot det; det er å være for det. Da synes jeg det blir litt uredelig når man fra denne talerstolen prøver å skape et inntrykk av at man er mot noe man faktisk enstemmig er for. Så har jeg lyst til å gå litt tilbake igjen til med statsråden. Det var ikke noen bevisst retorikk eller polemikk fra min side, men jeg bare spør: Når statsråden fra denne talerstolen sier at hvis man er i vikariat for noen som er i fødselspermisjon eller er langtids sykemeldt, har man ikke automatisk krav på å få den stillingen. Men da er mitt eksempel: Hvis man i er 50 pst. i et slikt vikariat, 25 pst. i et vikariat i virksomhetsområde B og 25 pst. i virksomhetsområde C, hvor stor stillingshjemmel har vedkommende krav på når han har jobbet i ett år i 100 pst. stilling? Det er spørsmålet mitt til statsråden. Hvordan skal vi forstå loven? Vi er enige i denne salen, og det er en enstemmig komité. Men jeg vil gjerne vite hva jeg er med på å vedta i dag. Det vil ikke statsråden si noe om. Hun sier at hun ikke kan drive saksbehandling i enkeltstående saker fra Stortingets talerstol. Dette er et prinsipp som denne loven skal fange opp, og jeg registrerer – med respekt å melde – at de samme representantene sier at de har brukt morgenen til å spise bløtkake med fagbevegelsen. Mitt spørsmål blir da: Hva har man spist bløtkake for? Hva er grunnen til bløtkakespisingen når man ikke kan klarere tydeliggjøre hva vi er med å vedta i dag, når vi behandler denne saken? Representanten Michael Tetzschner har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg vil for ordens skyld oppklare en misforståelse. I et av de foregående innleggene ble jeg tillagt den oppfatning at jeg var mot kollektiv søksmålsrett. Det er jeg ikke. Kollektiv søksmålsrett er tatt inn i den nåværende tvisteloven. Det vil si at folk som utgjør en gruppe som har rettslig interesse i å få en sak belyst for domstolene, kan ta ut gruppesøksmål. Det vi diskuterer her, er noe annet, nemlig om man skal ta partsevnen fra enkelte arbeidstakere og legge den til fagforeningen. Det er det diskusjonen dreier seg om. Men jeg er heller ikke imot at man kan få prøvd de rettsreglene som man ønsker å få belyst. For øvrig la jeg merke til at representanten Kolberg ikke benyttet anledningen til å hvor man hadde imøtekommet Justisdepartementets innvendinger nettopp når det gjelder kravet til rettslig interesse for å reise søksmål. Representanten Kari Henriksen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, Det var bare en kommentar til representanten Eriksson om at jeg skulle ha sagt at Fremskrittspartiet var mot drøftingsplikten. Det mente jeg ikke å si, hvis jeg sa det, men det jeg mente å si var at Fremskrittspartiet ikke har noen tiltak, og at drøftingsplikten nettopp er et virkemiddel for å imøtekomme noen av de problemstillingene som Fremskrittspartiet trekker opp. Men det er jo likevel underlig at Fremskrittspartiet har hatt åtte år på seg og ikke har noen andre virkemidler enn å si at de vil utrede mer. Dette er ikke noe nytt. Vi har hatt denne problemstillingen over veldig lang tid. Selv om de er for drøftingsplikten, er de altså mot å lovfeste heltidsretten prinsipielt, som de sier i teksten, og

i tilfelle går med på. Komiteen har jo rikelige anledninger til i forkant å stille departementet en rekke spørsmål om hvordan en lov kan tolkes når vi legger fram et forslag for Stortinget. Men i denne saken har det vært relativt få spørsmål fra komiteen. Når man har anledning til å få besvart dette med juridisk hjelp, benytter ikke Fremskrittspartiet seg av denne muligheten. Altså dukker disse spørsmålene opp i siste liten og framstår kun som en unnskyldning for at man ikke vil være med på å styrke rettighetene til ansatte. Det er realiteten i denne saken. Dette ønsker ikke Fremskrittspartiet å gå med på. Så framsetter man hypotetiske spørsmål fra Stortingets talerstol. Det er selvfølgelig helt umulig – når det gjelder anvendelse av enhver lov – å komme med et hypotetisk enkelteksempel som så statsråden her skal kunne avgi en dom over, nærmest som en dommer fra Stortingets talerstol. Det kan ikke gjøres i noen type lovsaker – heller ikke denne. Det vi vedtar i dag, er å ha rett til utvidet stilling tilsvarende det man faktisk har jobbet. Så får domstolen avgjøre, som de alltid gjør, i denne type saker. Representanten Robert Eriksson har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg blir litt overrasket når statsråden sier at vi går imot. Vi er enige om prinsippene, og jeg tror vi skal være glad for at vi samtlige er enige om prinsippene. Når man tar opp et viktig prinsipp, og spør om hvordan vi skal forstå denne loven, så blir det nærmest avfeid som et hypotetisk spørsmål av statsråden. Det synes jeg er underlig; det er nesten uverdig fra denne talerstolen. Jeg synes det blir litt meningsløst at statsråden bruker den type retorikk når vi i utgangspunktet er enige. Det er ikke et hypotetisk spørsmål. Det er et prinsipp som det er viktig å få klarlagt i forhold til loven. Vi går heller ikke imot, men jeg er veldig opptatt av én ting, og det er å få vite hvem loven skal gjelde for. Når inntrer retten til å få økt stilling? Det klarer ikke statsråden å svare på. Jeg registrerer at det er situasjonen når vi har ferdigbehandlet denne saken. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 12. Før vi går til sak nr. 13, vil presidenten informere om at den innkalte vararepresentant for Hedmark fylke, Frøydis Elisabeth Sund, nå er til stede og tar sete.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

hadde fylt 63 år på det tidspunkt, kunne likevel heve dagpenger i en overgangsperiode som senere ble forlenget fram til 1. juli 2012. Mindre enn et år etter at særreglene ble opphevet, mot Fremskrittspartiets stemmer, fremmer Fremskrittspartiet forslag om at særreglene skal gjeninnføres, slik at alle arbeidsledige som mottar dagpenger etter fylte 64 år, skal kunne fortsette med det inntil fylte 67 år. I praksis betyr det at eldre arbeidsledige kan gå sammenhengende på dagpenger fra fylte 62 år til 67 år. Det var denne muligheten et tverrpolitisk flertall i Stortinget ønsket å lukke da vi avviklet særreglene for eldre arbeidstakere. Jeg ser naturligvis at Fremskrittspartiet fremmer sitt forslag fordi vi avholder stortingsvalg 9. september, og jeg antar at vi skal møte dette igjen i løpet av valgkampen. Medregnet i dag er det også andre gang alle andre partier avviser Fremskrittspartiets forslag, dels med begrunnelse i pensjonsreformen, som Fremskrittspartiet også er imot, dels fordi særreglene var en form for omvendt aldersdiskriminering. Slik er det også med en rekke andre representantforslag fra Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet har aldri latt seg sjenere av politisk ensomhet. Tvert om synes partiet å trives best når de kjører solo. Men når partiet sammen med Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre stadig proklamerer at de skal regjere sammen dersom velgerne gir dem mandat til det, må vi spørre om dette blir forhandlingstema når partiene mot formodning skal sette seg ned og drøfte et regjeringsprogram etter valget. Det er bred politisk enighet om at arbeidstakerne skal oppmuntres til å stå i arbeid så lenge som mulig. Slik sett ser pensjonsreformen ut til å virke etter sin hensikt. Da vi avviklet særreglene for arbeidsledige over 64 år, var det fordi vi ble oppmerksom på særreglenes innlåsingseffekt. Vi så at særreglene i realiteten var en gunstig førtidspensjoneringsordning, simpelthen fordi det i gitte tilfeller var fordelaktig å heve dagpenger og bygge nye pensjonspoeng framfor å hente ut alderspensjon, AFP, etter fylte 62 år. Eldre arbeidstakere skal ha samme rett og samme muligheter som andre arbeidstakere, også om de skulle bli arbeidsledige mot slutten av arbeidslivet. Jeg oppfatter selvfølgelig at det gjennomgående er mer krevende å formidle eldre arbeidstakere tilbake til arbeidslivet enn yngre, men slett ikke alltid. Tidlig og kvalifisert oppfølging er like viktig for eldre som for yngre arbeidstakere, og jeg aksepterer ikke at eldre arbeidsledige nedprioriteres i tiltaksarbeidet. Flertallet i arbeids- og sosialkomiteen ber tvert om at Nav skal ha særlig fokus på eldre arbeidsledige som ikke har rett til pensjon før fylte 67 år. Som regel er dette kvinner som i en lang periode i livet ikke har vært i arbeid utenfor hjemmet, og som ikke har rukket å bygge opp rettigheter utover minstepensjon. Når alle partier unntatt Fremskrittspartiet insisterer på at eldre arbeidssøkere uten pensjonsrettigheter skal ha tilbud om jobb eller tiltaksplass, er det selvfølgelig også fordi økonomisk sosialhjelp normalt ikke er noen egnet inntektssikring for eldre mennesker som er på vei ut av arbeidslivet. Da har jeg lyst til å legge til: ikke klarer den oppgaven, og det viser seg at vi etter hvert får en gruppe eldre arbeidssøkere som ikke har rett til verken dagpenger eller fleksibel alderspensjon på tross av oppnådd alder, må vi se på deres økonomiske situasjon med nye øyne. Ja, det er riktig som saksordføreren sier, at Fremskrittspartiet har fremmet dette forslaget tidligere, og vi fremmer det igjen. Vi mener også at situasjonen er av en slik karakter at det er nødvendig og fornuftig å fremme forslaget på nytt. Bakgrunnen for at særreglene for dagpengemottakere over 64 år ble fjernet, var med at det skulle stimulere flere eldre til å stå lenger i arbeid samt at man mente det var urimelig å bruke dagpenger som tidligpensjon. La meg i denne salen minne om at vi her snakker om mennesker som har vært langtidsledige, tidligere arbeidstakere – eldre som har stått uten arbeid over lang tid. Forutsetningen for å kunne stå lenger i arbeid er å ha arbeid å kunne stå i. Det tror jeg vi alle sammen må være enige om. For disse menneskene gjelder det at de ikke har arbeid å stå i. Jeg er enig med både saksordføreren og flertallet i – og det har også Fremskrittspartiet tatt inn over seg i forslaget – at man ikke ønsker at man skal ha trygdeytelser fremfor uttak av pensjon. Men vi er også prinsipielt sterke motstandere av å tvangspensjonere folk mot sin vilje. For hva har disse menneskene krav på? Hvem er de? Når disse menneskene har gått ut av dagpengeperioden sin, hvilken inntekt har de da? Jo, de kan enten få aktivitet, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, tvinges til å ta ut pensjon, hvis de har tjent opp så mye pensjon, eller sosialhjelp. Det er de teoretiske mulighetene man har. Jeg synes det er ganske merkelig at man har et regelverk som i dag, der en person som er 62 år, som har tjent opp stor pensjon, kan ta ut pensjonen sin, og samtidig si opp jobben sin og få dagpenger oppå pensjonen etter Mens en kvinnelig arbeider som har arbeidet deltid i over 40 år, og reelt sett blir arbeidsledig når hun er 63 år, ikke har tjent opp nok pensjonspoeng til at hun kan ta ut pensjonen sin og blir tvunget over mot enten uføretrygd, arbeidsavklaringspenger eller sosialhjelp. Det synes jeg er en uverdig tilnærming for den gruppen, for det er det dette egentlig handler om, det er det denne saken handler om. registrerer at saksordføreren, Arbeiderpartiets representant og fremste representant for regjeringspartiene i denne saken, sier at folkene ikke er så viktige for ham. Han bruker heller hele sitt innlegg på nærmest å komme med en karakteristikk av Fremskrittspartiet. Jeg møter folk hver eneste dag, og jeg har fått flere henvendelser. Jeg vet også at representanten Gullvåg har fått henvendelser i denne saken på mail, som vi alle sammen har fått. Jeg har også sett svarene til Gullvåg, og jeg har sett reaksjonene på de svarene som Gullvåg har gitt, og de nærmest føler seg lurt av representantens svar. Men jeg møter ikke bare de henvendelsene, jeg får flere henvendelser fra folk som står der uten inntektssikring. Jeg og Fremskrittspartiet er opptatt av folk, og vi er opptatt av at folk skal ha en verdighet. Derfor har vi valgt å fremme forslaget på nytt, samtidig som vi har valgt å fremme et forslag som sier at når man har tjent opp nok pensjon og selv begynner å ta ut pensjonen sin – ved 62 år f.eks. – og så sier opp jobben sin for å kunne spe på med dagpenger, må vi få gjort noe med lovverket, fordi vi mener dette ikke er riktig. Blir man reelt arbeidsledig, skal man selvfølgelig kunne ta ut både pensjon og dagpenger. Men når man selv aktivt sier opp jobben sin for å øke inntekten, er det med og stimulerer til det som egentlig var grunnlaget for at man fjernet særregelen. Det er stikk motsatt, man har ikke løst den delen av problemet i det hele tatt, og derfor synes jeg det er synd at ikke flere partier enn Fremskrittspartiet ser hverdagen til de menneskene som her blir berørt. Om det ikke er mange mennesker, ett menneske nok til at man kan se på regelverket, etter mitt skjønn, når det treffer så uheldig og får så store utilsiktede virkninger som det har fått. Med dette tar jeg opp de forslagene som Fremskrittspartiet har i innstillingen. Representanten Robert Eriksson har tatt opp de forslagene han Det var en fornuftig omlegging som flertallet i komiteen gjorde, nettopp fordi innlåsingseffektene og faren for innlåsing var stor, og fordi særreglene gjorde at man da i teorien kunne bli gående veldig lenge på arbeidsledighetstrygd – dagpenger – og ikke få den nødvendige oppfølging. Men så er det også verdt å merke seg at flertallet i komiteen var veldig tydelig på at Nav hadde et spesielt oppfølgingsansvar for denne gruppen. Det viser seg at det er ganske få mennesker som blir stående i en situasjon hvor man både mister dagpengene og ikke har muligheten til å gå over i pensjonistenes rekker, men det er allikevel en liten gruppe det gjelder. Når komiteen så tydelig understreket at denne gruppen måtte Nav følge spesielt godt med på, og at Nav også måtte rapportere spesielt på hvordan man fulgte dem opp, håpet jeg det var et signal som departementet og regjeringen merket seg. Det er verdt å merke seg at de samme understrekingene, de samme presiseringene og den samme bekymringen, lufter også komiteen denne gang. Man sier at dette er en gruppe som må følges ekstra nøye opp. Det er ikke vanskelig å forstå intensjonen bak Fremskrittspartiets forslag, nemlig at noen mennesker kan, som en følge av denne regelendringen, havne i en veldig uheldig situasjon. det ikke slik at enhver senior har problemer med å komme inn i arbeidslivet, men jeg tror vi må være så ærlige å si at det nok er vanskeligere for en 65-åring å få ny jobb enn det er for en 25-åring eller en 35-åring, og hvis man da ikke har muligheten til å gå over i pensjon – reell mulighet til det – kan livet være vanskelig. håper departementet og statsråden merker seg at dette er en gruppe som man må følge ekstra nøye med på. Jeg må også si at det vel er et viktigere budskap å gi når vi debatterer denne saken, enn å uttrykke stor frustrasjon, som representanten Gullvåg gjorde, over at forslaget fra Fremskrittspartiet i det hele tatt kommer opp. Jeg har stor forståelse for forslaget fra Fremskrittspartiet – det har jeg lyst til å innlede med å si. Kristelig Folkeparti har også fått henvendelser om avvikling av særregler for eldre dagpengemottakere, og det er faktisk en liten gruppe som er kommet i en type skvis. Jeg har også stilt spørsmål til statsråden om dette. Spørsmålet var: Hvilke tiltak foruten sosialhjelp kan hjelpe disse som verken har muligheter for å få tiltak lenger, eller arbeid? På en måte er de oppgitt. Svaret fra statsråden – og det er ikke lenge siden – var at de fortsatt skal få hensiktsmessig oppfølging av etaten, tilbud om tiltak eller arbeid, og at dette gjelder uavhengig av om de kommer innenfor eller utenfor gjeldende garantier. Det er jo ikke et godt nok svar, når Nav ikke gir dem disse tilbudene, og ikke har flere virkemidler. Derfor er det også interessant, det komiteen har gjort. Statsråden svarte komiteen på dette Dokument 8-forslaget. I det brevet vi fikk fra Arbeidsdepartementet, sa statsråden: «Det økonomiske sikkerhetsnettet er økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsetaten.» Det var jo ikke, etter min mening, et godt svar, med tanke på denne problemstillingen. Det er kanskje derfor jeg også har en viss sympati for forslaget fra Fremskrittspartiet, fordi statsråden så klart har henvist til sosialhjelp. Når det er sagt, er jeg likevel veldig fornøyd med at vi, komiteens flertall, alle unntatt Fremskrittspartiet, har samlet oss at dersom det viser seg at eldre arbeidstakere som har vært arbeidsledige i lang tid, vanskelig lar seg formidle til tiltak til arbeidslivet, ber flertallet departementet se spesielt på denne gruppen og vurdere andre arbeidsrettede tiltak eller inntektssikring som alternativ til sosialhjelp, inntil de kan gå av med pensjon. Det er jeg veldig positiv til, og jeg mener og forventer, og håper og tror også, at statsråden kan bekrefte at det ikke er sosialhjelp vi nå skal henvise disse få menneskene til, gitt at de faktisk ikke blir hjulpet innenfor
for eldre dagpengemottakere ble avviklet med virkning fra 1. januar 2011. Med innføringen av ny, fleksibel alderspensjon fikk langt flere mulighet til å ta ut alderspensjon tidlig. Det er også et uttalt ønske at flere skal ha mulighet til å stå lenger i arbeidslivet, noe den nye alderspensjonen understøtter. Behovet for særreglene i dagpengeregelverket var derfor langt mindre enn tidligere. Opphevingen var også begrunnet ut fra å hindre tilpasninger til passive ytelser før pensjoneringsalderen. Etter opphevingen gjelder de samme vilkårene for rett til dagpenger for denne gruppen som for arbeidsledige ellers, med unntak av et noe mindre strengt krav om å være reell arbeidssøker, siden dagpengemottakere over 60 år kan få være lokale arbeidssøkere. Personer som per 1. januar 2011 hadde fylt 63 år og mottok dagpenger, kunne likevel motta dagpenger etter særreglene i en overgangsperiode fram til 1. juli 2012. Alle som var omfattet av overgangsordningen, skulle få tilbud om arbeid eller tiltak innen utløp av overgangsperioden. Da overgangsperioden løp ut 1. juli 20l2, var det 578 overgangstilfeller igjen, dagpengemottakere som hadde mottatt dagpenger i mer enn maksimal dagpengeperiode på 104 uker. De aller fleste som står i arbeid, kan ta ut alderspensjon før fylte 67 år, og mange allerede fra fylte 62 år. Mer enn halvparten av dem som var i overgangsordningen, valgte å gjøre dette. I tillegg har, som flertallet i komiteen påpeker, svært mange muligheten til å ta ut AFP. Sysselsettingen blant eldre er god, og arbeidsledigheten er lav. Noen lykkes likevel ikke med å komme i arbeid etter endt dagpengeperiode. Disse har fortsatt rett til å være registrert som arbeidssøker hos Arbeids- og velferdsetaten, og mange vil kunne være garantert tilbud om arbeid eller tiltak innenfor det som heter langtidsledighetsgarantien. Personer som er tilmeldt Arbeids- og velferdsetaten, skal også få hensiktsmessig oppfølging av etaten, uavhengig av om de inngår i en garantigruppe. Lykkes ikke den arbeidsledige med å komme i arbeid, vil den enkelte kunne få orientering om alternativ inntektssikring. Det økonomiske sikkerhetsnettet vil være økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsetaten. Jeg konstaterer at flertallet i komiteen er enig i at det ikke er behov for å gjeninnføre særregler for eldre dagpengemottakere. Gjennom langtidsledighetsgarantien og de signalene som allerede er gitt til Arbeids- og velferdsetaten i tildelingsbrevene for 2012 og 2013, skal disse arbeidsledige være sikret tilbud om arbeid eller arbeidsrettet tiltak. Jeg merker meg at flertallet ber departementet om å komme tilbake til spørsmålet om særlige tiltak eller alternativer til økonomisk sosialhjelp som inntektssikring for eldre arbeidssøkere som ikke har rett til å ta ut tidligpensjon. Når det gjelder forslaget om begrensninger i dagpengerettigheter til personer som er selvforskyldt ledige, viser jeg til uttalelsen i budsjettproposisjonen for 2011. Der framgår det at regjeringen vil vurdere forholdet mellom midlertidige trygdeytelser og fleksibel alderspensjon nærmere, herunder forholdet mellom dagpenger og alderspensjon. Foreløpig er det ikke noe som tyder på at regelverket utnyttes i strid med intensjonen. Men dette vil vi altså komme tilbake
talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Jeg begynner innlegget mitt med å korrigere Gullvåg som går til hardt angrep på Fremskrittspartiet, og som påstår at det var tverrpolitisk enighet om å fjerne denne særordningen. Det var det ikke. Fremskrittspartiet har gått imot Det har også vært tatt opp i skriftlige spørsmål, i muntlige spørsmål, og i forslag tidligere om å gå tilbake til gammel ordning. Det å bli arbeidsledig er ganske tøft. Det rammer hardt, og spesielt rammer det når eldre mister jobben. Offentlig ansatte slipper å komme i denne situasjonen, men det rammer dem som uforskyldt mister sin arbeidsplass i private virksomheter, og spesielt hardt rammer det dem som ikke har opptjent rettigheter i folketrygden til å ta ut tidlig pensjon. Det rammer spesielt dem som ikke har hatt gode pensjonsordninger på arbeidsplassen sin, dem som i utgangspunktet har opparbeidet dårlige pensjoner i folketrygden, og dem som ikke har rett til AFP. Denne gruppen er på ingen måte ivaretatt etter at særordningen ble opphevet. Ut fra forarbeidene til opphevelsen av § 4-17 var avskaffelsen av denne begrunnet med at man søkte å hindre at personer mellom 62 og 67 år skulle misbruke ordningen ved innføring av ny pensjonsordning. Regjeringen søkte altså å hindre at personer som etter nye pensjonsregler kunne ta ut tidligpensjon, ikke gjorde det. At de da ikke lot seg tvangspensjonere, men heller valgte å benytte saken var til behandling, ble det ikke fullt ut klargjort for Stortinget hvilke konsekvenser det ville få for dem som ikke hadde mulighet til å ta ut pensjon før fylte 67 år. Det er spesielt mange kvinner som er i den situasjonen – da det tidligere var vanlig at kvinner var hjemme eller hadde Argumenter mot å gjeninnføre ordningen er at nå er det flere eldre som er i jobb. Ja, det er flere eldre som står i den jobben de har, men, som Eriksson sa, det er ikke lett for dem som står uten jobb, å søke seg inn i nytt arbeid. Det er heller ikke prioritert hos Nav, naturlig nok, når så mange unge og så mange med nedsatt funksjonsevne i yngre alder, står utenfor arbeidslivet. Man kan ikke prioritere alle; selv om enkelte politikere i denne salen ynder å bruke ordet «prioritere», er ikke eldre og arbeidsledige den høyest prioriterte gruppen. Det er ikke lett når man har vært utenfor arbeidslivet kanskje et par år, og man er 65 år, å gå Det er tydelig at denne paragrafen ikke rammer kjernevelgerne til Arbeiderpartiet, ikke dem som har hatt trygge og gode arbeidsplasser med gode pensjoner, dem som har AFP-ordninger, men den rammer dem som kanskje har vært på arbeidsplasser med dårlige ordninger, på små arbeidsplasser som har vært selvstendige, og som ikke klarer å finne en ny jobb. Det er uverdig at de skal henvises til sosialkontor og måtte selge seg fra gård og grunn – så dette må det ordnes opp i. Jeg tar først og fremst ordet for å påtale det forhold at representanten

som selvfølgelig, i likhet med alle slike saker, har flere sider. Jeg skal ikke dra dette lenger, men jeg mener at dette er en form for indiskresjon som ikke bør framføres fra denne talerstolen. Så vil jeg føye til at jeg i mitt førsteinnlegg gjorde uttrykkelig rede for at Fremskrittspartiet de to gangene denne saken konkret har vært behandlet i Stortinget, inkludert denne, har gått imot opphevingen av særreglene for 64-åringer. Det hindrer ikke at det ellers har vært tverrpolitisk enighet om de vedtak som Stortinget har gjort, minus selvfølgelig Jeg vil føye til at sosialhjelp er en individuell ytelse. Og det trenger nødvendigvis ikke å være slik, og det er heller ikke slik, at sosialhjelp i alle kommuner praktiseres slik at alle som mottar det, må gå fra gård og grunn for i det hele tatt å kunne få midler til livsopphold. Men det er også kommuner som praktiserer det på en slik måte. Det er derfor jeg mener at sosialhjelp i slike tilfeller som vi snakker om her, ikke er noen reell form for inntektssikring for dem som vil miste arbeidet på slutten av et langt arbeidsliv, og som heller ikke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

Og det andre er å be regjeringen legge frem forslag om å fjerne underregulering på 0,75 pst. av løpende pensjoner. Disse to forslagene støttes ikke av andre partier i komiteen, og bakgrunnen for det er at dagens regulering er en del av pensjonsforliket; hvilket også komiteens flertall med unntak av Fremskrittspartiet henviser til i innstillingen. Der alle partiene både til pensjonsforliket i 2005 og i 2007. De nye reglene for regulering av pensjon er tatt inn i loven. Det er nå faste regler for regulering av pensjon. Dette gir økt forutsigbarhet, både for pensjonistene og for myndighetene. Det gjennomføres, slik det også tidligere har vært gjort, samtaler og møter med pensjonistenes og arbeidstagernes organisasjoner i forkant av reguleringen, og det som også statsråden har opplyst i sitt svar til komiteen, er at det er en god avveining av ulike hensyn, og at reglene uansett vil sikre, normalt i alle fall, pensjonistene økt kjøpekraft hvert år. Reglene gir den forutsigbarhet som er nødvendig når det gjelder den årlige reguleringen, og det vil derfor ikke være behov for stortingsvedtak om regulering og at dette tas til Stortinget – slik det var gjort tidligere. Jeg regner med at Fremskrittspartiet selv vil redegjøre for sine forslag i saken og bakgrunnen for disse.

Fagbladet den 16. mai. Der sier Bjørg Hageløkken, som er leder av Fagforbundets pensjonistutvalg, følgende: «I år har vi fått med en protokolltilførsel der Pensjonistutvalget er motstander av at pensjoner årlig skal underreguleres med og vi håper det skal være mulig å gjøre noe med dette før hele pensjonsreformen skal evalueres i 2017.» I samme artikkel sier Bjørg Hageløkken videre: «Pensjonister over hele landet blir rett og slett forbannet når de får vite om underreguleringen.» I Fagforbundet utgjør det 90 000 medlemmer. Jeg har full forståelse for og deler sympatien med Hageløkken, og alle landets pensjonister. For meg er det ubegripelig det som Stortinget gjorde i 2011, nemlig å føre tilbake reguleringsregimet slik det var ved folketrygdens innføring i 1967. Etter at vi hadde hatt en stor debatt om hvordan retningslinjene i trygdeoppgjøret skulle og hvordan man skulle legge til grunn reguleringer som kom på plass fra 1. mai 2003, var det et flertall i Stortinget som klart var for at pensjonistene skulle ha omtrentlig den samme kjøpekraftsutvikling som de yrkesaktive. Begrepet «omtrentlig» skulle og kunne forstås som at enkelte grupper pensjonister kunne ha en større regulering enn de yrkesaktive. Det prinsippet har dessverre regjeringspartiene gått i bresjen for å innføre ved at man la frem pensjonsreformen, en pensjonsreform som fikk bred tilslutning fra alle partier, bortsett fra Fremskrittspartiet. Jeg synes også det er litt ubegripelig at det skal være slik at norske pensjonister den eneste gruppen i dette samfunnet – ikke skal få regulert sin kjøpekraft i takt med lønnsutviklingen. Hvorfor skal de ikke få det? Uføretrygdede får det, arbeidsavklaringspengemottakere får det, og G-en reguleres i henhold til lønnsutviklingen. Pensjonistene er altså den eneste gruppen som ikke får det. Det er for meg uforståelig, det virker rart, og det bare bekrefter at Fremskrittspartiet fortsatt er pensjonistenes største forsvarer og også pensjonistenes beste ivaretaker av pensjonspolitikk. Det har vi tenkt å fortsette med å være også i tiden fremover. Det kunne derfor vært interessant å få statsråden, som skal ha innlegg etter meg, å redegjøre for logikken. Hvis vi tar utgangspunkt i at en person som er født i 1963, med industriarbeiderlønn som snitt i hele sitt liv, skal ha underregulert sin pensjon hvis vedkommende går av som pensjonist ved 67 år, med 155 400 kr i løpet av man tar ut pensjon ved 62 år, at man skal få den underregulert med over 253 000 kr, altså at en hel årspensjon blir underregulert, hvorfor mener hun dette er riktig for alle som er omfattet av den nye pensjonsreformen? Det synes jeg er dårlig politikk. Derfor fremmer Fremskrittspartiet et forslag der vi går tilbake til de samme prinsippene som gjaldt fra 2003 til 2011. Med dette tar jeg opp de har i innstillingen. Representanten Robert Eriksson har tatt opp de forslagene han refererte til. Før statsråd Anniken Huitfeldt slipper til, er det kanskje fornuftig at også Høyres representant Torbjørn Røe Isaksen får sitt Den engelsk-irske statsmannen Edmund Burke snakket om det han kalte et generasjonsfellesskap. Det var en slags vaksinasjon mot tanken om at samfunnet består bare av oss som er her og nå, for, sa Edmund Burke, samfunnet består også av generasjonene som har vært før oss, den generasjonen som eksisterer nå, og generasjonene som kommer etter Det er i det perspektivet man må se pensjonsforliket, for – med all respekt for min gode kollega Robert Eriksson – det er ikke pensjonistene som får et nytt pensjonssystem; det er vi som får et nytt pensjonssystem. En som er født i – la oss ta et tilfeldig år – 1978, kommer til å få det samme pensjonssystemet som dagens pensjonister får, bare med enda noen flere innsparinger. Vedkommende, som er født i 1978, må f.eks. sannsynligvis jobbe tre år lenger for å få den samme pensjonen utbetalt som man kan få ved 67-års pensjonering i dag. Det er slik at underreguleringen, som Fremskrittspartiet kaller det, er en sentral del av den nye pensjonsreformen. Den er også fornuftig, fordi måten man innrettet systemet på, var rett og slett å sikre at man fikk en høyere utbetaling i utgangspunktet, og så heller en lavere regulering etter hvert som pensjonsårene skred frem, mens alternativet sannsynligvis hadde måttet være – hvis man skulle ha et bærekraftig pensjonssystem i fremtiden – å ha en lavere utbetaling i utgangspunktet og så en høyere regulering etter hvert som Men det ville sannsynligvis vært en dårlig løsning, for det er grunn til å anta at de aller fleste får mer glede av pengene når man er 71 år, enn når man er 91 år, selv om vi alle kommer til å leve lenger og lenger – og kanskje også bedre og bedre. Høyre støtter altså pensjonsreformen og står ved den. Derimot er vi mer kritiske til de andre forslagene som regjeringen har gjennomført for norske pensjonister i denne perioden. For å tilpasse skattesystemet til pensjonsreformen gjorde Stortinget etter forslag fra regjeringen endringer i pensjonistbeskatningen i 2011. En av årsakene til at mange norske pensjonister i dag er opprørt, er at kombinasjonen av de forskjellige tiltakene har blitt store for mange. Gjennom avskaffelsen av skattebegrensningsregelen og innføringen av et nytt pensjonistfradrag som alle pensjonistene nyter godt av, gjorde regjeringen noe godt for én gruppe, men betalte for det ved å straffe en annen gruppe. Resultatet var at veldig mange pensjonister – riktignok mennesker med en relativt høy pensjon, men allikevel veldig mange pensjonister – fikk en stor, ekstra skatteregning fra den rød-grønne regjeringen. Høyre var kritisk til måten de rød-grønne presset igjennom en skatteøkning for pensjonistene på, og vi er fortsatt kritiske. Med Høyres system og opplegg for pensjonistene viste beregninger at så å si alle pensjonister ville kommet like godt eller bedre ut. Det er derfor grunn til å stå ved pensjonsforliket som et generasjonssolidarisk forlik, men samtidig er det ingen grunn til å legge skjul på at norske pensjonister – mange av dem – har fått dårligere skattekår, høyere skatt, med denne rød-grønne regjeringen. Pensjonsreformen er en svært omfattende reform. Den har vært utredet over lang tid og har blitt behandlet i Stortinget ved flere anledninger. Hovedprinsippet ble avklart gjennom to brede forlik i Stortinget, i 2005 og i 2007. Detaljene i regelverket ble vedtatt i 2009. Pensjonsreformen er et kompromiss mellom ulike hensyn, bl.a. at pensjonssystemet skal være økonomisk bærekraftig over tid, og at pensjonistene skal ha en god inntektsutvikling. Pensjonskommisjonen foreslo i sin tid å regulere alderspensjoner under utbetaling noe lavere enn lønnsveksten. Samtidig var det et mål at pensjonistene også med den nye reguleringen normalt skulle få vekst i kjøpekraften. De nye reglene for regulering av pensjon under utbetaling har fått tilslutning fra et bredt flertall i Stortinget og er en del av det samlede opplegget for å sikre et mer bærekraftig pensjonssystem. Jeg minner også om at den lønnsveksten som reguleringen av pensjonene sammenlignes med, er et gjennomsnitt for lønnstakere i alt. Mange lønnstakere vil ha en svakere vekst enn gjennomsnittet, f.eks. har mange eldre arbeidstakere en svakere lønnsvekst enn yngre arbeidstakere. Selv med den nye reguleringen blir folketrygdens pensjoner ofte regulert bedre enn private pensjoner. Reguleringene er ofte bedre enn i andre land, der pensjoner under utbetaling kan reguleres i samsvar med prisveksten. De ulike delene av pensjonssystemet henger sammen. Når pensjonsnivået beregnes ved uttak, tas det hensyn til reguleringen av pensjonsutbetalingen. Innenfor en gitt økonomisk ramme innebærer derfor en sterkere regulering av pensjoner under utbetaling et lavere startnivå for pensjonister ved overgang til pensjon. Mange har best helse de første årene som pensjonist og kan derfor heller ønske seg et høyere startnivå og noe svakere regulering av pensjonen under utbetaling enn det som følges av lønnsregulering. De nye reglene for regulering av pensjonen er tatt inn i loven. Det er dermed faste regler for regulering av Dette gir økt forutsigbarhet både for pensjonister når det gjelder inntektsutviklingen og for myndighetene når det gjelder offentlige utgifter og bærekraften i pensjonssystemet. Stortinget har fortsatt det overordnede ansvar for folketrygdens regelverk gjennom å vedta lovene som også bestemmer reguleringen. Det gjennomføres fortsatt møter med pensjonistenes og arbeidstakernes organisasjoner i forkant av reguleringen. På disse møtene har tallgrunnlaget vært drøftet. Jeg mener reglene for regulering av pensjon er en god avveining av ulike hensyn, og de vil normalt sikre pensjonistene økt kjøpekraft hvert eneste år. Reglene gir forutsigbarhet om den årlige reguleringen, og det er derfor ikke lenger behov for stortingsvedtak om regulering. Det vil være uheldig om Stortinget bare to år etter at de nye reglene for reguleringen trådte i kraft skulle gå tilbake på disse og denne viktige delen av pensjonsreformen. Når det gjelder inntektsutviklingen blant pensjonister, har den vært noe spesiell blant dem med lavest pensjon de siste årene. Minstepensjonen har gått relativt kraftig opp, og det har vært en bedre utvikling blant minstepensjonister og alderspensjon for enslige enn for lønnsmottakere generelt. Det er fordi vi har en god sosial ordning. Jeg mener at også skattesystemet bygger opp under dette. gjør nettopp at de pensjonistene med lave formuer kommer bedre ut enn tidligere. Jeg mener at alt i alt har vi fått en god sosial utvikling når vi ser på både skattesystemet og utviklingen av pensjonen de siste årene. Det
Jeg har egentlig bare et veldig enkelt spørsmål til statsråden. Jeg tror vi må skille mellom regulering av pensjonen når det gjelder opptjeningstid og utbetalingstid. Jeg tror også vi skal skille mellom noen begreper når det gjelder utvikling av nivå på ytelsesøkningene. Grunnen til at minstepensjonistene har fått en økning, er jo at man fikk økt ytelsesnivået opp til hadde ingenting med reguleringsprinsippene å gjøre som sådan. Men mitt enkle spørsmål til statsråden er: Hvorfor mener statsråden det er fornuftig at norske pensjonister skal ha dårligere kjøpekraftsutvikling enn gjennomsnittet av de yrkesaktive? Er det fordi Norge ikke har råd til å gi den gruppen som har vært med og bygd opp velferden og velstanden i vårt land, den samme kjøpekraftsutviklingen på sin innbetalte pensjon som gjennomsnittet for de yrkesaktive? Hvis representanten er opptatt av gjennomsnitt, så har det vært like god utvikling i kjøpekraften blant pensjonister som blant lønnsmottakere, hvis vi ser på gjennomsnittstall. Men det som er viktig, er at vi har fått en ny pensjonsreform som gjør at representanten Eriksson og min generasjon er nødt til å jobbe lenger for å få den samme pensjonen som de som går over i pensjonistenes rekker i år. Vi lever lenger, vi tar ut pensjon over flere år, og derfor må vi jobbe lenger for å få den samme pensjonen. Dette med reguleringen er en del av den pensjonsreformen som sikrer best kjøpekraft de første årene. Det er viktig, for da har man bedre mulighet til å bruke pengene. Jeg mener at vi nå har fått et bærekraftig pensjonssystem, og jeg er spesielt fornøyd med at minstepensjonistene er den gruppen som har fått en stor økning de siste årene.

Da går det ikke an å si samtidig at pensjonistene får den samme utviklingen som gjennomsnittet til lønnsmottakerne, for pensjonistene får minus 0,75 pst. Det er jo de facto-fradraget som er innfelt i pensjonsreformen det, og da sier det seg selv at det blir en dårligere kjøpekraftsutvikling. Det er ganske enkelt. Samtidig er jeg veldig enig i mye av det mine gode venner i Høyre, og representanten Røe Isaksen, fremfører, men akkurat i denne saken har jeg nok et litt annet syn enn representanten Røe Isaksen. Jeg har også et annet syn enn statsråden når hun sier at de sikrer at pensjonistene vil ha bedre kjøpekraft de første årene enn de siste årene. Det er nettopp fordi at for hvert år man er pensjonist, vil man tape mer og mer kjøpekraft med de nye reguleringsprinsippene. Det mener Fremskrittspartiet er for hvert år man er pensjonist, vil man tape mer og mer kjøpekraft med de nye reguleringsprinsippene. Det mener Fremskrittspartiet er urettferdig. Jeg må med respekt å melde få lov til å si til denne saken: Skal vi norske politikere gå rundt og bestemme hvilken aldersgruppe som har mest bruk for pengene – om man er 91 år og har mindre bruk for penger enn når man er 67 år? Det blir for meg helt feil at vi som politikere skal gå inn og bestemme det. Den enkelte må nesten få lov til å bestemme selv når og i hvilken alder man har bruk for pengene. Den tilliten har jeg fullt og helt til folk. Så må jeg også få lov til å si at hvordan man regulerer løpende pensjoner har ikke noe å gjøre med til opptjening eller utbetaling, som er de to stolpene i pensjonsreformen. Men hvis man mener – og det har vi nå fått bekreftet og stadfestet nok en gang – at pensjonsreformen skal være en sparereform, der man mener at norske pensjonister skal dekke den sparingen fordi man ikke har råd til å gi dem den velstandsutviklingen som de øvrige i samfunnet har, ja, så er det en innrømmelse av at man mener at det er en sparereform. Her innrømmer man at pensjonsreformen er en sparereform. Det synes jeg er greit å ha bekreftet, og det gjør meg enda sikrere på at man bør gå inn og endre de prinsippene som ikke rokker ved prinsippene for pensjonsreformen i det hele tatt, når det gjelder regulering av utbetalt pensjon. Jeg la merke til at representanten

Isaksen refererte til skatteomleggingen i 2011, som førte til at man gjennomførte en omfordeling av skattleggingen av pensjonistene, bl.a. slik at pensjoner opptil 340 000 kr årlig fikk skatteletter, mens pensjoner i størrelsesorden over 390 000 kr årlig fikk en viss skatteskjerpelse. Så glemte representanten Røe Isaksen å legge til at denne omleggingen, denne omfordelingen, ble sukret med et tilskudd fra skattebetalerne på 1,5 mrd. kr, slik at man samlet sett fikk en omlegging som ga en skattelette til pensjonistene. Så har jeg lyst til å legge til – fordi det er riktig – at det ikke er noen gruppe i samfunnet som de siste ti har hatt en så god kjøpekraftsutvikling som pensjonistene, særlig gjelder dette minstepensjonistene. Men så er det også riktig at man som et element i pensjonsreformen, og for å understøtte pensjonsreformens bærekraft, har innført en underregulering på 0,75 pst. i forhold til gjennomsnittlig inntekt i samfunnet. Det betyr ikke at kjøpekraften svekkes. Kjøpekraften forbedres, men kjøpekraften for pensjonistene blir noe mindre enn for lønnstakerne i samfunnet. Sammen med levealdersjusteringen er altså underreguleringen hovedelementet i pensjonsreformens bærekraft. Det er selvfølgelig derfor vi har inngått et pensjonsforlik der disse elementene er med, og der pensjonistene også er med og yter sitt til at framtidige generasjoner skal kunne få gode pensjoner.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

og har behov for en kraftfull inkluderingspolitikk. Ingen mennesker er like, og ofte er det sammensatte problemer den enkelte kan ha. Da er det viktig at vi har et bredt spekter med virkemidler i inkluderingspolitikken, slik at vi kan møte den enkelte der hvor han eller hun er. Unge mennesker er spesielt prioritert i regjeringens arbeid. Vi har styrket garantiordningene for ungdom utenfor jobb eller skole til også å gjelde unge med nedsatt arbeidsevne. Her har Nav fått økte ressurser til å gi rask bistand. For å understøtte arbeidslinja og gi flere unge muligheter til å komme inn i arbeidslivet innførte regjeringen Jobbstrategi for Strategien retter seg særlig mot unge under 30 år og inneholder en rekke nye tiltak som skal gi bedre oppfølging fra Nav, redusere barrieren for arbeidsgiver med hensyn til å ansette mennesker med ulike funksjonsnedsettelser og gi unge utenfor arbeidsmarkedet verdifull kompetanse, erfaring og mulighet Forsøkene med tilretteleggingstilskudd og tilretteleggingsgaranti er viktig for å bygge ned hindre for arbeidsdeltakelse og gi trygghet for potensielle arbeidsgivere. Ordningene er fleksible og gir rom for å legge til rette for den enkelte, og arbeidsgiver vil kunne få dekket eventuelle kostnader forbundet med ulike tilpasninger i arbeidssituasjonen. Positivt er også den økte bruken av funksjonsassistanse som gir hjelp til praktiske gjøremål i arbeidshverdagen. Bruken av mentorer for å sikre tiltaksdeltakeren eller den ansatte nødvendig faglig, sosial og praktisk støtte er også viktig. Det er i dag større forståelse, mer kunnskap og åpenhet om psykisk helse. Det reflekterer også brukerne av Nav. Oppfølgingsarbeidet mellom Helsedepartementet og Arbeidsdepartementet med hensyn til Strategiplan for arbeid og psykisk helse er viktig. Tidlig innsats vil kunne hjelpe mange unge før de får større problemer. varsler regjeringen at man skal styrke skolehelsetjenesten med ca. 300 nye stillinger for statsbudsjettet for 2014. Det vil bety økt kapasitet og tilgjengelighet der hvor alle unge møtes, nemlig i skolen. Tidlig innsats vil kunne forhindre større og mer alvorlige problemer senere. Det er viktig for unges muligheter på arbeidsmarkedet at man har fullført videregående skole eller får tatt annen utdanning. Her er regjeringens satsing i Ny GIV viktig, slik at flere fullfører skolen. Særskilt viktig er det også at de med nedsatt funksjonsnedsettelse får muligheter for utdanning. Nettopp derfor har det vært viktig å sikre lik rett til utdanning også for studenter med kroniske sykdommer eller funksjonshemning. Den nye ordningen gir mulighet til ekstrastipend, tolv måneders studiestøtte og sikring mot ekstra gjeldsbyrde ved forsinkelse. med arbeids- og utdanningsreiser har vært et annet viktig grep regjeringen har gjort. Det er mye som kan trekkes fram av det vi i dag gjør, men jeg har lyst til å nevne særskilt Losprosjektet, hvor ungdom får en person å forholde seg til som gir tett og individuell oppfølging, slik at man på den måten styrker tilknytningen til skole og arbeid. Å leve med store sosiale problemer over tid er direkte helseskadelig. Vi vet at mange barn og unge lever under uutholdelige forhold hjemme større risiko for å falle ut av skole og arbeid. Nettopp derfor har det største barnevernsløftet på 20 år vært viktig for å sikre at flere unge mennesker får muligheten til å stå løpet ut med skole og arbeid. Vi kan slå fast at det er relativt få uføre under 30 år når andelen er 1,2 pst. Det er en viktig presisering i en debatt som av og til kan gi inntrykk av at det er eksplosjonsartet vekst på området. Det å overdrive et problem kan bidra til stigmatisering. Trygge økonomiske ordninger for dem som av ulike grunner faller utenfor, bidrar til at den enkelte kan fokusere på skolering, tiltak eller andre ting som kan gi et fotfeste i arbeidslivet, istedenfor å bekymre seg over økonomi. I tillegg er det et viktig vern mot fattigdom. Vi går inn i en tid hvor vi trenger all arbeidskraft vi kan mobilisere. Derfor blir inkluderingspolitikken en hovedsatsing i årene som kommer, slik at enda flere får muligheten til å bidra, og samfunnet får nok arbeidskraft til oppgavene vi skal løse. Det er mange gode intensjoner i de ulike punktene i representantforslaget som vi har til behandling her i dag. Det de likevel har til felles, er at de hører hjemme i budsjettprosessen. Det innstilles derfor på at forslagene vedlegges protokollen.

Samtidig vet vi at når man først har fått innvilget varig uføretrygd, er det nesten umulig å komme seg derfra igjen og tilbake til arbeidslivet. La meg bare ta noen få tall som bekymrer meg: Når vi ser utviklingen i sykelønnsstatistikken de siste ti årene, ser vi at den største økningen, altså en økning på 145 pst., har skjedd på psykiske lidelser, og det meste er lettere psykiske lidelser. Vi ser også at det har en sammenheng med uføretrygding. Seks av ti som er varig uføretrygdet under 40 år, er det på grunn av en psykisk lidelse. Det forteller meg at vi ikke er gode nok til å nå den gruppen mennesker, ikke er gode nok til å gi dem muligheten til å være en del av arbeidslivet, men at vi på mange måter setter dem på utsiden og stempler dem varig ut av arbeidshverdagen. Det oppfordrer oss også til å tenke nytt, mer fremoverlent og mer aktivt på hvordan vi skal behandle folk med psykiske lidelser, hvordan vi skal gjøre det mulig å komme tilbake. Vi vet at hovedparten av dem under 40 har diagnoser som depresjon og angst, som vi vet ikke er en varig tilstand, men en tilstand som faktisk med riktig hjelp, god hjelp, tett hjelp og tidlig hjelp kan gi gode resultater og muligheten til å komme tilbake til arbeidslivet. Derfor mener Fremskrittspartiet at man bør heller ha en mye tettere oppfølging av den for å kunne hjelpe dem tilbake i arbeid. Men skal man lykkes med å gjøre det, er man også ut fra Fremskrittspartiets tenkning helt avhengig av å være enda tydeligere og ha større satsing opp mot det frivillige tilbudet som finnes. Bare for å nevne noen: Unikum, som holder til her borte på Grønland, RIBO og Frisk-gårdene er flotte tilbud som kan rehabilitere mennesker, At vi ikke har en mer offensiv politikk og bruker den ledige kapasiteten for å realisere deres drøm om en deltakelse i arbeidslivet bedre enn hva vi gjør, er for meg og Fremskrittspartiet ubegripelig. Derfor har vi også fremmet forslag sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti om å styrke nettopp Vi er også avhengig av hvis vi skal lykkes, å ha flere tiltaksplasser innenfor de tradisjonelle arbeidsmarkedstiltakene. Derfor ønsker Fremskrittspartiet en forpliktende opptrappingsplan, der vi har en klar målsetting om å skaffe til veie 8 000 flere tiltaksplasser. Det vil kunne hjelpe langt flere til å få muligheten til deltakelse i arbeidslivet, fremfor å bli stemplet varig ut av arbeidslivet. Jeg mener at vi som politikere og samfunn verken har råd til eller bør tillate oss å gi opp folk. Selv om det kan virke riktig her og nå å innvilge uføretrygd, bør vi ikke tillate oss å gi dem opp. Vi skal følge opp folk på en tett og god måte for å kunne gi dem muligheten til et godt liv videre. Til slutt ønsker jeg å ta opp de forslagene som Fremskrittspartiet enten fremmer alene eller sammen med andre. I tillegg har jeg lyst til å gjøre oppmerksom på at forslag nr. 11 og forslag nr. 12 vil Fremskrittspartiet subsidiært stemme for,

Da Høyre begynte å påpeke dette for en del år siden, var det mange fra de rød-grønne partiene som brukte tid på å mistenkeliggjøre oss. Vi fikk beskjed om at dette var noe Høyre dro opp fordi vi var kyniske, eller fordi vi ville kutte i ytelsene, som ikke var en reell problemstilling så få. Med årene har vi heldigvis kommet dit at alle anerkjenner at økningen av antall unge uføre er bekymringsfull. Det er en sterk økning, og vi er nødt til å forsøke å gjøre noe med det. Det kommer også som en del av et bilde hvor uføreandelen og andelen på helserelaterte ytelser i Norge har stabilisert seg på et høyt nivå. At det ikke har økt fryktelig mye de siste ti årene, stemmer, men man kan jo stille seg spørsmålet om man ville vært fornøyd med en arbeidsledighet som hadde stabilisert seg på 8, 9 eller 10 pst. Jeg tror svaret er nei. La meg igjen slå fast at for Høyre er det et helt sentralt prinsipp i velferdssamfunnet at er man for syk til å jobbe, skal man heller ikke jobbe. Da skal man ha en anstendig ytelse fra velferdssamfunnet. Det gjelder uansett om man er 19 år eller 69 år gammel. Utfordringen som vi snakker om her, er at vi vet at en del mennesker – punkt 1 – kunne tenke seg å jobbe, litt eller mer, og – punkt 2 – at vi frykter at flere mennesker enn nødvendig blir henvist til en permanent, fast uføretrygd istedenfor at de får den hjelp og oppfølging de trenger. I en undersøkelse som ble gjennomført av Agderforskning for noen år siden, Et liv jeg ikke valgte, pekte man på tre forskjellige grupper som havnet over på helserelaterte ytelser. Den ene gruppen hadde fått psykiske diagnoser, psykiske lidelser. Den andre gruppen hadde medfødte lidelser, altså noe de var født med og hadde fra fødselen av, f.eks. en veldig sterk funksjonshemning eller en psykisk som kvalifiserte dem for uføretrygd. Den tredje gruppen hadde en kombinasjon av livsstilsfaktorer og lettere psykiske lidelser. Veldig mye tydet på at denne gruppen, som da ikke var født med en sykdom som var uforenlig med å kunne komme seg inn i jobb, med årene hadde utviklet en tilstand og en livssituasjon som gjorde at man ikke kunne få dem inn i jobb. Det er for denne gruppen vi med rimelighet kan si at selv om det er en spissformulering å hevde at systemet av og til kan gjøre folk sykere, kan vi i hvert si at systemet ikke har gjort folk bedre, og vi har sviktet i å få dem inn i arbeid. Vi er nødt til å gjøre mye på skolefeltet for å hindre drop-out. Vi er nødt til igjen å opprioritere psykiatrien, slik at ikke det eneste tilbudet folk får, er å vente i kø eller månedsvis på å få psykiatrihjelp. Vi er nødt til å få koordinert tiltakene i offentlig sektor, slik at når du først har fått psykologhjelp en gang i uken, er ikke resten av tilbudet ditt å sitte hjemme og vente på psykologtimen. Vi er nødt til å adressere tiltaks- og attføringssystemet vårt, som fungerer bra på noen områder, men som slett ikke leverer de resultatene vi skulle kunne forvente til ca. 8 mrd. kr i året. Så er vi nødt til å adressere langt mer offensivt enn den rød-grønne regjeringen det helt grunnleggende spørsmålet, nemlig: Selv om alle skal få en god og anstendig ordning – prosit! – når man er ung og ute av stand til å delta i arbeidslivet, hva er årsaken til at den ordningen som er sikker og permanent i dag, er nødt til også å forvise en til utenforskap år senere? Det vi sier, er at hvis du får deg en psykisk knekk som 25-åring, og da med rette må trenge f.eks. fem eller seks år på å bli frisk og være utenfor arbeidslivet, kanskje være i aktivitet på andre måter, har du kommet inn på en ordning som automatisk tilsier at du skal være ute av arbeidslivet også ti år etter – som 35-åring, som 45-åring, som 55-åring, som Det blir ikke et adelsmerke for velferdssamfunnet, men veldig lett en sovepute. Representanten vil kanskje ta opp forslag? Representanten vil gjerne – takk for påminnelsen – ta opp forslagene fra Høyre og Kristelig Folkeparti. Representanten Torbjørn Røe Isaksen har tatt opp de forslag han refererte til. Tiltak for å forhindre at de unge faller permanent utenfor arbeidslivet, er et utrolig viktig tema. Det er stor politisk enighet om en må gjøre en bedre jobb. Det gjelder mange mennesker, som vi alle kjenner i de miljøene som vi bor i. Dette arbeidet blir stadig mer krevende. Rus og psykiatriske utfordringer gjelder stadig flere unge, og det forebyggende arbeidet, det å komme tidlig inn for å hjelpe folk med en varm hånd, er utrolig viktig. Samtidig med at det blir flere som sliter med rus og psykiatrisk krevende livssituasjoner, er det også en økende gruppe av flittige, unge arbeidsinnvandrere som kommer til Norge, som i mange tilfeller tar arbeidsoppgaver som de som er litt annerledes, tidligere fikk. Regjeringa har sin jobbstrategi for personer med nedsatt arbeidsevne under 30 år – regjeringa har klart fokus på det – en ordning som skal evalueres i 2013 for å gi bedre kunnskapsgrunnlag for nye satsinger, slik at flere unge kan delta i arbeidslivet. Opposisjonens ulike grupper har hele tolv forslag om forbedringer. Jeg vil si at mange forslag er viktige, men i denne saka synes jeg at et klart fokus er det viktigste. Det enkle er mange ganger det beste. Hva er det jeg tenker på da? Jo, rett og slett at vanlig fysisk tilrettelagt, nyttig arbeid er veldig godt for mange, altså vanlig fysisk, nyttig arbeid – og jeg vil understreke nyttig at de det gjelder, må føle at de gjør en jobb på linje med andre, at en blir stolt av den jobben en gjør, at en greier å mestre en situasjon sjøl om en kanskje har hatt svært vanskelige oppvekstvilkår, og greier å takle det – rett og slett det å Det er ulike programmer fra regjeringas side for å gjøre dette, og et av de viktige er kvalifiseringsprogrammet, som jeg har tatt opp mange ganger, og som regjeringa har gjort en stor jobb med. Det som etter hvert blir den store utfordringa for kvalifiseringsprogrammet, er om ikke minst ungdommene som gjennomfører programmet, får arbeid og hva slags arbeidsforhold det blir. at mange av de ungdommene dette gjelder, får muligheten til et fysisk, nyttig arbeid henger sammen med mulighetene for at man får et ordinært arbeidsforhold hos en arbeidsgiver – privat eller offentlig – hvor det offentlige i en periode går inn med et lønnstilskudd, slik at den det gjelder, får en ordinær lønning hver måned. Jeg synes det skulle vært et klarere fokus på disse enkle tingene som rett og slett handler om å lære å arbeide, ha et fysisk, nyttig arbeid som vi har erfaringer med fungerer godt for svært mange innenfor gruppa rus og psykiatri, og som i praksis ikke inneholder mange ord, men som gjør at de det gjelder, kan vokse gjennom sitt arbeid og dermed få interesse for nye deler av sitt liv, få nye muligheter, og som dermed kan fungere som et menneske i et helhetlig, godt samfunn. Alle som har vært på talerstolen i dag, har mer eller mindre uttrykt stor bekymring for at så mange unge er Alle som har vært på talerstolen i dag, har mer eller mindre uttrykt stor bekymring for at så mange unge er utenfor arbeidslivet og ikke klarer seg selv i livet. Og det er grunn til å være bekymret over økningen i antallet unge uføre. Mange unge føler seg gitt opp av systemet i og mange sier at de da ikke får noen ny sjanse. Det er trist, og det er en realitet, som flere har vært inne på. Antallet unge uføre har økt sterkt de siste to årene. Det går i feil retning. Det å være i arbeid og kunne forsørge seg selv har med livskvalitet å Men det er ikke bare det. I tillegg er det samfunnsøkonomisk gunstig dersom vi klarer å øke sysselsettingen av f.eks. personer med nedsatt funksjonsevne og hindre at det går i feil retning. La meg bare vise til det som AFI, Arbeidsforskningsinstituttet, nylig har lagt frem i en rapport som er meget interessant. De sier bl.a. at hvis man øker sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne med f.eks. 5 pst., vil det gi en samfunnsøkonomisk gevinst på om lag 13 mrd. kr over en tiårsperiode. Hver enkelt ny arbeidstaker vil i tiårsperioden bidra med en samfunnsøkonomisk gevinst på nærmere 900 000 kr. Dersom arbeidsdeltakelsen øker med vil gevinsten dobles. Dette er utrolig positive resultater. Vi trenger faktisk et krafttak på de fleste områder. La meg nevne ett område som flere har vært inne på: drop-out i skolen. At så mange ikke fullfører skolegangen, er svært alvorlig. Det vil også føre til at man heller ikke kommer seg ut i arbeid så lett. Det viser seg at de som ikke fullfører skolen, i større grad også er utenfor arbeidslivet – det er jo også selvsagt. Jeg tror vi burde få et tettere samarbeid f.eks. mellom skole og arbeid og mellom Arbeidsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Det kunne vært fristende å spørre statsråden om hva slags samarbeid som i dag foregår på departementsnivå – noe som jeg tror er en god forutsetning for samarbeid også på andre nivåer. Man må også vise at man sentralt, i departementene, kan samarbeide om tiltak, erfaringer, kunnskap osv. Til sist – et lite hjertesukk: Forslagene som fremmes i dag fra opposisjonspartiene, er gode. Jeg skulle ønske at regjeringspartiene hadde villet være med på disse forslagene, for det er ikke bare regjeringspartiene, regjeringen eller departementene som klarer å finne de gode og riktige tiltakene. Regjeringen har gjort mye, men er det nok? Nei, det er ikke det. Opposisjonspartiene har også god kontakt – vi får gode innspill fra dem det gjelder, fra de unge og fra hjelpeapparatet. Det at flere og flere unge funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet, burde også tilsi at alle forslag burde mottas med takk. Saksordføreren, Thor Erik Forsberg, begrunnet det at man ikke ønsket å være med på forslagene med at de egentlig hører hjemme i en budsjettprosess. Da må jeg spørre: Betyr det at regjeringspartiene ville sagt ja dersom vi hadde fremmet forslagene i forbindelse med budsjettarbeidet, eller Åtte år i opposisjon under et flertallsregime har nok lært meg at gode forslag i all vesentlighet – ja, så å si alltid – blir avvist, uansett når vi måtte stå her og fremme dem. Jeg gleder meg til valget. Ungdom utgjør en stor ressurs, og det er store kostnader knyttet til personer som faller ut av skolen og arbeidslivet i ung alder. Disse kostnadene knytter seg til både den enkelte og samfunnet som helhet. Derfor er jeg svært opptatt av innsatsen som gjøres for å unngå at unge mennesker faller varig utenfor arbeidslivet. Jeg mener at regjeringens arbeids- og velferdspolitikk i stor grad dekker representantenes forslag til tiltak for å hindre at unge faller permanent utenfor arbeidslivet. Noen forslag berører områder hvor vi allerede har satt i gang tiltak som vi mener har veldig god effekt. Det gjelder bl.a. prioriteringen av unge i Nav, gjennom den nye garantiordningen for unge ledige og unge med nedsatt arbeidsevne, Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne og forsøket med arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd. Vi har også inngått en samarbeidsavtale med ideelle organisasjoner om helse- og sosialtjenester, som danner et godt utgangspunkt for bidrag fra frivillige, ideelle og private organisasjoner og virksomheter, i arbeidet for å forhindre at unge faller permanent utenfor arbeidslivet. Andre forslag berører områder hvor vi er i gang med å evaluere, utvikle eller videreutvikle tiltak. Det gjelder bl.a. arbeidet med ny oppfølgingsplan for å sikre innsatsen innenfor arbeid og psykisk helse og kunnskapsministerens arbeid for å utvikle yrkesopplæring i videregående skole. Jeg har lyst å knytte noen kommentarer til diskusjonen om hvor mange som egentlig går på trygdeytelser. Jeg er ikke enig i at det er behov for å mistenkeliggjøre partier når man setter disse spørsmålene på dagsordenen. Det er det god grunn til. Men det er med undring jeg merker meg at hver gang representanten for Høyre vil diskutere disse forslagene, finner han et eller annet tall som setter velferdsstaten i et verst mulig lys. Det er helt åpenbart at det som er årsaken til at prosentandelen av unge uføre har økt, er avviklingen av ordningen med tidsbegrenset uførestønad. Den ordningen var alle partiene her imot, og det var en meget god grunn til det. Grunnen var at vi så at mer avklaring i Nav ikke gjorde folk friskere eller ga dem større mulighet til å få arbeid. De ble gående i år etter år innenfor Nav, i stedet for å få en varig sikkerhet innenfor uføretrygden, og vi hadde en uføretrygd som ikke stimulerte folk nok til å komme seg ut i arbeid. Derfor avviklet vi ordningen med tidsbegrenset uførestønad. De tallene det er interessant å sammenlikne, er tallene vi hadde på unge uføre i 2003 og tallene vi har i dag. Ja, der har det vært en økning, men fra 1,2 pst. til 1,3 pst. Det er alvorlig, men det er ikke en så stor økning som opposisjonen her ved enhver anledning forsøker å framføre. Det vi har gjort med den nye uføretrygden, mener jeg er veldig viktig. Den gjør at man ikke mister uføregraden dersom man velger å jobbe noe. Det er jo slik det er i dag. Mange som er syke, tenker: Skal jeg ta sjansen på å jobbe når jeg mister uføregraden min? Hva om jeg blir sykere om fem år? Den nye uføretrygden gjør det mye lettere å kombinere arbeid og trygd. Man blir avkortet, men man mister ikke rettigheten. Jeg mener at det å trekke fram disse tallene, som ikke er sammenliknbare, for å sette velferdsordningene i dårligst mulig lys, er det ingen grunn til. Andelen unge uføre har økt fra 1,2 til 1,3 pst. Det er mange av disse menneskene som ønsker seg jobb, som skulle hatt et tiltak som fungerte bedre på et tidligere tidspunkt, og som skulle hatt mer Vi gjør mye for å begrense frafallet i den videregående skole. Vi har utvidet ungdomsgarantien for også å rette den inn mot ungdom med nedsatt arbeidsevne, og vi ser at andelen uføre går ned. Så vi er på god vei. Jeg mener at det er viktig å følge opp ungdom som faller utenfor arbeidslivet, men det er ingen grunn til å svartmale situasjonen slik opposisjonen gjør.

med glede at Arbeiderpartiets landsmøte har vedtatt at man skal ha flere tiltaksplasser, og så registrerer jeg med forundring og fortvilelse at i de årene vi har hatt den rød-grønne regjeringen, har vi redusert det totale antall tiltaksplasser hvert eneste år. Så mitt enkle spørsmål til statsråden er: Hva kan vi forvente fremover? Hvor mange nye tiltaksplasser er det Arbeiderpartiet og statsråden ønsker å tilføre for å få hjulpet flere tilbake til arbeidslivet? Eller er det fortsatt sånn at man vil holde det totale antall plasser på dagens nivå og bare holde på med omfordeling av plasser innenfor den rammen? I tider hvor det er lav arbeidsløshet, er det mindre behov for tiltaksplasser som retter seg mot ordinære ledige. Men det er likevel et behov, spesielt i dag, for tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Derfor har det vært en vridning de siste årene, fra ordinære tiltaksplasser over på tiltaksplasser knyttet til personer med nedsatt arbeidsevne. Det er også foreslått en økning i antall tiltaksplasser i det forslaget til revidert budsjett som nå er til behandling i Stortinget. Jeg er fullstendig klar over den retorikken og den praksisen som har vært brukt. Når det har vært stor ledighet, har man økt antallet tiltaksplasser, og så driver man og omfordeler antallet tiltaksplasser innenfor rammen av det totale antallet tiltaksplasser. Mitt spørsmål er egentlig veldig enkelt: Kan vi i årene fremover forvente oss at det totale antall tiltaksplasser vil øke, og hvilket nivå mener statsråden det er riktig å ligge på? Ser ikke også statsråden at det kan være fornuftig – også i perioder med lav ledighet – å øke antallet tiltaksplasser for nettopp å kvalifisere flere inn mot arbeidslivet? Det som er nivået på den enkelte tiltaksplass, redegjør vi for ved hvert eneste budsjett. Ved de siste budsjettforhandlingene har vi økt antall tiltaksplasser for dem med nedsatt arbeidsevne. Det er viktig. Men vi jobber jo også med å bedre kvaliteten på de tiltaksplassene som vi har. Spesielt for personer med nedsatt arbeidsevne er det viktig at det er god kvalitet på de tiltaksplassene som man blir tildelt. Derfor har vi økt antall tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne den siste tiden, men vi jobber også svært aktivt med å bedre kvaliteten på tiltaksplassene slik at det blir mulig for folk å komme seg ut i arbeid. Jeg ser frem til at Arbeiderpartiet kommer i opposisjon og skal stille spørsmål som får velferdsstaten til å fremstå i et best mulig lys fra opposisjonstilværelse. Jeg Arbeiderpartiet kommer i opposisjon og skal stille spørsmål som får velferdsstaten til å fremstå i et best mulig lys fra opposisjonstilværelse. Jeg er for øvrig uenig i statsrådens fremstilling av tallene, for økningen i andelen og antallet unge uføre skyldes ikke en omlegging fra tidsbegrenset uføretrygd, som da går inn i arbeidsavklaringspenger, det skyldes en reell økning. Det som er mulig, er at økningen har noen demografiske forklaringer f.eks., men det er altså ikke en teknisk omlegging som er skyld i dette. Det er en reell økning, og jeg er heller ikke enig i at en økning fra 1,2 til 1,3 pst. er lite. Det er mye. Men det jeg vil stille spørsmål om, er om disse forsøkene med lønnstilskudd er vellykkede, om man vil vurdere å gjøre dem permanente og eventuelt når? Det ønsker regjeringen. Dersom forsøkene med lønnstilskudd er vellykkede, vil vi selvfølgelig gjøre dem permanente. Det vi har sett i noen andre land, bl.a. Danmark, er at de har hatt lønnstilskudd i veldig stor grad, og at det ikke har bidratt til å få så mange flere nye inn i arbeidslivet, men at det tvert imot har bidratt til å finansiere en del eksisterende arbeidsplasser og bidratt til at man har fått statstilskudd til arbeidsplasser som i realiteten arbeidsgiverne burde betalt for selv. Derfor mener jeg at det er viktig med lønnstilskudd, og at det fungerer bra, men vi må følge denne ordningen veldig nøye for å hindre misbruk av den, og vi må sikre at det bidrar til at det reelt sett blir flere som kommer inn i arbeidslivet. Mange uføre blir uføre på grunn av en funksjonshemning, enten den er medfødt eller resultatet av en sykdom eller skade. Da regjeringen la fram sin strategi for å få funksjonshemmede inn i jobb, kunne vi lese i tall fra SSB – som også var sitert i den nevnte strategien – at ca. 78 000 funksjonshemmede sto utenfor arbeidslivet og ønsket å komme inn. Det siste oppdaterte tallet jeg så fra SSB, var 84 000. Antallet har altså økt siden regjeringen iverksatte sin handlingsplan, og ennå sier statsråden at regjeringens arbeidsgiverpolitikk dekker for unge uføre. For mange ville dette vært et tegn på at man kanskje hadde trådt litt feil, eller ikke hadde tatt hardt nok i i den opprinnelige planen, men regjeringen ser ikke ut til å ha enset det. Det jeg vil spørre om, er om statsråden mener at det i lys av både denne saken og ratifiseringen av konvensjonen og jobbstrategien er gjort nok for å tilrettelegge for funksjonshemmede i arbeidslivet, eller hva vil hun nå gjøre? Jobbstrategien ble presentert for ikke så lenge siden, og i den evalueringen som kom av IA-avtalen som ble presentert i går, sa forskerne nettopp at det ikke var mulig å se virkninger av jobbstrategien allerede nå. Da må tiltakene ha virket i noe lenger tid. Jeg har snakket med mange arbeidsgivere og arbeidsgiverorganisasjoner den siste tiden, og de ber meg innstendig om ikke å finne på veldig mange nye tiltak, for det er veldig mange tiltak som allerede ligger i denne jobbstrategien, og det som er viktig, er å gjøre arbeidsgiverne bedre kjent med eksisterende tiltak. Jeg opplever at det er en økende interesse blant arbeidsgivere for å bidra mer til å få personer med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet, og dette vil selvfølgelig være en helt sentral del når vi går i gang med forhandlinger om en ny IA-avtale. Når det gjelder arbeidsavklaringspenger, så er jo det begrenset til fire år, og vi har sett og hørt at mange vil nå taket på fire år kanskje allerede neste år. Dette vil kanskje bety flere uføre og flere på sosialtrygd, og det vil også ramme unge mennesker. Mitt spørsmål til statsråden er om det er satt i gang et arbeid, hvilket arbeid, og hvordan skal man klare å få gjort noe slik at man ikke havner i en situasjon der vi plutselig, på grunn av denne fireårsregelen, får flere uføre og flere på sosialtrygd? Denne perioden kan utvides noen måneder dersom det er behov for det, men jeg vil være veldig forsiktig med å si at disse automatisk kommer over på uføretrygd. For det vi så tidligere, var at mennesker gikk på andre typer trygdeordninger i mange, mange år, og for dem har jo en varig uføretrygd vært bra, for det er en varig inntektssikring, og med en ny uføretrygd er det lettere for dem å kombinere uføretrygd og pensjon. Vi følger jo denne utviklingen nøye. Det er ingen grunn til å si at dette skal representere en veldig stor trussel i form av veldig mange flere uføretrygdede, men Arbeids- og velferdsetaten går nå igjennom alle disse sakene. Det er jo det som er poenget med arbeidsavklaringspenger, at det skal være flere år hvor man skal avklares hvilken arbeidsevne man har. Dette er en langt bedre ordning enn slik det var tidligere, med dem som gikk på midlertidige ytelser i over ti år.

De vil ikke støtte utredning av mer bruk av arbeid for trygd for unge som er i ferd med å falle ut av arbeidslivet. De vil ikke støtte forslaget om å prioritere unge sterkere i Nav. De vil ikke støtte et forslag om å be om en styrking av helsetilbudet for unge med psykiske problemer. Og sånn kunne jeg fortsatt. Jeg registrerer at forslagene kommer fra feil hold, og at regjeringen derfor ikke vil ta hensyn til om det faktisk er gode og relevante forslag. Årsaken til at Høyre, sammen med våre gode venner i Kristelig Folkeparti og Venstre, har fremmet dette forslaget, er at vi ser at dagens system ikke alltid fungerer som det skal. Det er i alle fall hevet over tvil at systemet kan bli bedre; det vet vi. La meg ta noen eksempler. En ung uføretrygdet dame skrev i Aftenposten i februar 2012: av oss kunne nok jobbet heltid eller deltid i løpet av yrkesaktiv alder, bare vi fikk relevant støtte i noen få, avgjørende år først.» Faren til en høytfungerende autistisk gutt kunne i november 2012 fortelle til NRK at han ikke ble tilbudt hjelp eller tilrettelegging. Han ble tilbudt uføretrygd. Far og sønn endte opp med å skape sine egne arbeidsplasser. Og til sist en ung jente som sa til Dagens Næringsliv i mars 2012: «Nav hjelper deg ikke før du er hakket fra å begå La meg understreke at jeg ikke skylder på Nav her. Nav-ansatte gjør ofte en strålende jobb; det sies altfor sjelden. Men ofte jobber de under vanskelige eller endog helt umulige forhold. Det er systemet og ikke enkeltansatte som er problemet. Derfor må vi kontinuerlig jobbe med å forbedre systemet, kontinuerlig jobbe med å gi folk en ny sjanse eller i det minste én sjanse, som er det mange trenger – bare det. Det er vår plikt, både som folkets valgte representanter, og som mennesker. Og la meg si med en gang: Jeg er ikke ute etter å snakke velferdsstaten ned. Jeg er for velferdsstaten. Jeg mener også at vi har mange bra tiltak i Norge, men det må ikke være noen sovepute for ikke å ta opp relevante problemstillinger og prøve å gjøre noe når det påvises mangler i systemet. Det er ikke vår oppgave i denne sal å være systemets forsvarere – i alle fall ikke bare det. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 16. Etter ønske fra arbeids- og sosialkomiteen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

vedtatt. Saken gjelder 13 forslag fra Kristelig Folkeparti om tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette er viktige og krevende temaer. Regjeringspartiene går inn for at forslagene ikke blir vedtatt, mens ulike mindretall tar opp 13 forslag. Forslagene omhandler i hovedsak ansvarsforhold i Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kunnskapsdepartementet Jeg vil kort gå gjennom alle forslagene. Forslag nr. 1: Å styrke rådgivningstjenesten til kommende foreldre som i samband med ultralydundersøkelse får vite at barnet har nedsatt funksjonsevne. På det punktet er det reell enighet i komiteen. Forslag nr. 2: Å sikre at alle barneavdelinger på sjukehusene har fagpersoner som innehar en rådgivningsfunksjon for foreldre som venter eller har fått barn med nedsatt funksjonsevne. Helsedirektoratet har gitt ut veileder til hjelp i arbeidet for pårørende, og spesialisthelsetjenesten har viktige oppgaver knyttet til opplæring av foreldre og nærstående og folk i kommunal omsorgstjeneste når det gjelder slike situasjoner. I forslag nr. 3 blir regjeringa bedt om å evaluere ordninga med individuell plan og styrke den slik at intensjonene blir realisert. Ansvaret for individuell plan er tydeliggjort i ny helse- og omsorgslov. Ordninga er slått fast ved forskrift, og Helsedirektoratet arbeider med utarbeiding av rettleder når det gjelder individuell plan. Forslag nr. 4: Å be regjeringa fremme forslag til lovendring som sikrer retten til brukerstyrt personlig assistent. Helse- og omsorgsdepartementet har ute et høringsnotat med svarfrist 1. august i år. Hele komiteen understreker at BPA-ordninga er slik at det er bruker som avgjør hvorledes og hvilke oppgaver den personlige assistenten skal ha. Det som nå er tema til debatt, er hvem som skal få delta i den brukerstyrte personlige assistentordninga, som er en god ordning, men det trengs en avklaring på hvem som skal komme inn under Forslag nr. 5 gjelder rett til individuelt tilpasset skolefritidstilbud gjennom hele skolegangen for barn med nedsatt funksjonsevne. Det er en viktig del av den ordinære budsjettprosessen og må tas i den sammenheng. Forslagene nr. 6, 7 og 8 gjelder forbedring av omsorgslønn, dvs. den kommunale omsorgslønnen, med økte satser, rett til feriepenger for folk med omsorgslønn, og omsorgslønn i inntil tre måneder etter at funksjonshemmet barn dør. Forslag nr. 9 gjelder rett til pleiepenger når barnets helsetilstand gjør at foreldrene ikke kan stå i arbeid – dette også når foreldrene ikke har opptjent rettigheter til dette – og nivået på pleiepenger bør settes til 4,5 G per år. Dette er en stor utvidelse av retten til pleiepenger sammenlignet med dagens ordning. Forslag nr. 11 gjelder spørsmål om å be regjeringa legge fram en stortingsmelding om hvorledes hjelpestønad, pleiepenger og omsorgslønn kan slås sammen til én statlig ordning. Alle disse forslagene, nr. 6, 7, 8, 9 og 11, omhandler temaer som er sentrale i Meld. S. 29 for 2012–2013, Morgendagens omsorg, eller den såkalte omsorgsmeldinga, som nå behandles i Regjeringa vil utforme en politikk som skal bidra til at pårørende blir verdsatt og synliggjort, og som gir økt likestilling og mer fleksibilitet. Regjeringa legger også fram et program for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk på det området. Det blir delt i en første fase i programperioden, og i en neste fase av programmet, hvor en skal utrede spørsmål om endringer i de økonomiske kompensasjonsordningene og Alle disse fem forslagene, nr. 6, 7, 8, 9 og 11, er viktige deler av de økonomiske kompensasjonsordningene for omsorgspersoner for folk som trenger hjelp fra pårørende. Jeg vil si til statsråden at for Senterpartiet er det viktig at arbeidet med de økonomiske kompensasjonsordningene ikke drar ut i tid. Både pleiepenger og kommunal omsorgslønn må gi pårørende rettferdig for innsatsen. Den samlede uformelle og i all hovedsak familiebaserte omsorgen omfatter nærmere 100 000 årsverk, sammenholdt med den offentlige omsorgstjenesten, som har 130 000 årsverk. Det er viktig at det gis økt respekt for arbeid som gjøres i den familiebaserte omsorgen. Forslag nr. 10 gjelder indeksbasert grunnstønad. Denne blir indeksbasert i dag ut Forslag nr. 12 gjelder lovfestet plikt for alle kommuner til å tilby en fast koordinator. Det ivaretas gjennom fylkesinnsatsen i dag, via spesialisthelsetjenesten. Det siste gjelder private ideelle aktører som bygger bolig. Dette er utvidet og forbedret, og vi ser ikke grunn til å endre det i denne omgang. Det er svært omfattende representantforslag om mennesker med nedsatt funksjonsevne som ligger på bordet i dag. Jeg vil gi honnør til representantene som tar dem opp. Den innledende merknaden komiteen har, synliggjør kompleksiteten. Tiltakene favner over veldig mange ulike For å være helt ærlig kunne vi like godt bare føyd til de andre departementene – vi skulle fint klart å finne saker som gjaldt alle. Det viser at dette ikke er et område man kan løse med én sak eller én overordnet politikk. Det må være et eierskap på alle nivåer i samfunnet for at det skal kunne fungere. Det har med det å gjøre at funksjonshemmede er som folk flest. ikke stykkevis og delt – i hvert fall ikke i en etat eller i en forvaltningsgren. Dette er noe av bakteppet når vi skal ha disse diskusjonene. Saksordføreren redegjorde veldig godt for våre holdninger til de ulike punktene, så jeg går ikke inn på detaljer og enkeltheter. Men jeg skal kort kommentere De aller fleste punktene er under utarbeidelse, enten at de ligger ute til høring, som BPA-ordningen, eller at de ligger som individuell plan, som man holder på å utarbeide retningslinjene for. Det er veldig vanskelig for oss å slutte oss til at man like før en full saksutgreiing av de ulike punktene skal gjøre et endelig vedtak som låser blir kanskje noe som potensielt kan brukes i en debatt i en valgkamp. Men jeg tenker at da er det greit å lese merknadene til regjeringspartiene, slik at man vet hva man skal tenke om de ulike punktene. Det er ikke alltid voteringen gir et helt og fullt riktig bilde. I forbindelse tenker jeg at det som er viktig i denne runden med høringene – og som jeg tror jeg skal påpeke nå – er at hvis man innfører det punktet i dette notatet, vil man i prinsippet innføre retten til en til en-pleie i Norge. En må få litt mer substans rundt dette, og det er det man holder på med, både i forbindelse med høringsrunden og i arbeidet man har Vi har flere – ikke like, men lignende – debatter, den forrige inklusive, der vi tar opp alle problemstillingene og går i dybden med hensyn til vanskelighetene, problemene, utfordringene og hvor vondt det er å være funksjonshemmet i Norge. I den forrige debatten konkluderte vi med at det var mange som hadde vanskeligheter med å komme Hvis alle debattene vi har, målbærer at dette er vondt, vanskelig, umulig og håpløst, kan jeg tenke meg at det finnes noen arbeidsgivere som – hvis de ikke hører de andre debattene våre – tror at dette er hele bildet. Vi må klare å balansere dette ved å framstille det sånn at funksjonshemmede lever hele, fulle liv i et norsk samfunn. Vi har kanskje virkelig vært den gruppen som har vunnet i Lotto sammenlignet med innbyggere i andre deler av verden. Så vi er nødt til å se på balansegangen mellom å påpeke det som er kritikkverdig, der vi ikke har kommet i mål, og det å synliggjøre at det ikke er verdens undergang å være Kanskje det vil kunne være et lite bidrag til de foreldrene som har tatt en fostervannsprøve og fått melding om at barnet har en funksjonsnedsettelse. Deres barn kommer, selv med en funksjonsnedsettelse, til å leve et godt og verdig liv! Det er det vi legger rammene rundt. Dette er ikke debatten som skulle ta biten med FN-konvensjonen, men vi ratifiserte den i går, og den vi må sette menneskerettsperspektivet, likestillingsperspektivet på dette feltet. Det er vi nødt til å flette inn i alle debattene vi har. Denne gangen valgte jeg å gjøre det i denne debatten, istedenfor å ta for meg enkeltpunktene. I et moderne, inkluderende og rikt velferdssamfunn er det viktig å ha ordninger som ivaretar personer med nedsatt funksjonsevne, men også ordninger som ivaretar deres pårørende. Det finnes gode ordninger, og det finnes ordninger som mange er godt fornøyd med. Med dessverre er det også veldig store muligheter for å Foreldre til funksjonshemmede barn har uttalt at det ikke nødvendigvis er barnet som sliter dem ut, det er det de offentlige myndighetene og kampen for å få nødvendig støtte, økonomisk trygghet og koordinerte tjenester som gjør. Foreldre og pårørende er viktige omsorgspersoner, men i dagens samfunn er man som voksen person avhengig av inntekt. Det er derfor viktig å sikre forutsigbare ordninger og ha inntektssikring for dem som har omsorg for tungt pleietrengende familiemedlemmer. Jeg skal gå litt igjennom punktene – ikke så veldig nøye, men jeg skal forholde meg til de punktene som er foreslått, ikke til dem som opprinnelig lå i forslaget. Det er nemlig litt endring, bl.a. er nivået på omsorgslønn tatt ut, og det er ikke i de forslagene som fremmes i dag. Rådgivning ved ultralyd er veldig viktig. Fremskrittspartiet synes det er viktig at blivende foreldre til barn med funksjonsnedsettelse får god informasjon og opplysning – også gjerne tett kontakt med brukerorganisasjoner – på et veldig tidlig stadium. De skal vite at de skal kunne ta imot et barn som skal få et godt liv. Vi mener det er viktig at dette kommer inn i svangerskapsomsorgen så tidlig som mulig. Derfor har også Fremskrittspartiet gått inn for tidlig ultralyd. Allerede ved tolv uker skal de som tar ultralyd, være i den offentlige svangerskapsomsorgen – ikke på en privat institusjon hvor de ikke får informasjon. Så rådgivningsfunksjonen er viktig, også den ved barneavdelingen på sykehusene. Det å få oppfølging hele veien – det å ha fagpersoner der som kan gi råd når man får et barn med funksjonsnedsettelse, eller når man har et barn på sykehus – burde være et krav som kunne innfris. Individuell plan er det på de fleste områder i dag, men dessverre følges det altfor dårlig opp, og vi etterlyser en evaluering. Selvfølgelig må dette følges opp med tiltak som gjør at planene fungerer etter intensjonen. Så er det BPA, som det stadig er debatt om her i salen. Alle partiene er enige om at den ordningen skal forbedres. Det har tatt tid. Regjeringen har nå sittet i åtte år, og det har også vært landsmøtevedtak i Arbeiderpartiet på at det skal rettighetsfestes, men det virker ikke som om det er vilje til å innføre en rettighetsfestet, god BPA-ordning som ivaretar brukernes behov. Så lenge det skal gjøres innenfor dagens økonomiske rammer, frykter jeg vel at den ordningen blir veldig amputert. I et av forslagene går vi inn for at det skal være en statlig ordning. Det er viktig. I dag mister mange funksjonshemmede sine tilbud i kommunen ved flytting. De mister også retten til en brukerstyrt personlig assistent, og må søke på nytt. Dette skjer også innenfor ulike bydeler i Oslo. Sånn mener vi det ikke kan være. Vi mener vi må ha likebehandling. Vi kan ikke ha grensehindre innenfor eget land, det får være nok med de grensehindrene man har innenfor Norden for øvrig. Like rettigheter burde alle som bor i Norge, ha. Jeg synes forslag nr. 5 er et veldig viktig punkt. Det har også vært tatt opp tidligere at man skal se på disse ordningene som en helhet. Det står om omsorgslønn og pleiepenger der, og det er en begrepsforvirring. Det kan for mange virke meningsløst hvordan disse ordningene fungerer, så det å få en fullstendig vurdering, også en sømløs inntektssikringsordning, er viktig. Rett til feriepenger, etterlønn og omsorgslønn er også viktig, og nivået bør heves. Det vil si at det kanskje ikke nødvendigvis er timesatsen som bør heves, men nivået på hvor mye omsorgslønn som blir utmålt i forhold til de oppgavene pårørende gjør. Det regner jeg med vil bli vurdert når det blir en helhetlig vurdering av disse ordningene. Dette vil bli en veldig viktig sak for dem som nå er i opposisjon, når de kommer i posisjon etter valget. viktig sak å ta tak i raskt, slik at den kan gjennomføres mens man sitter i regjering, og ikke slik som regjeringen nå har gjort med alle disse sakene, som ikke er nye forslag. Det er forslag som er gjentatt, diskusjoner vi har hatt gang på gang, og løfter som ikke er innfridd. Når man ikke innfrir når man sitter i regjering, har man lite å fare med når man kommer i opposisjon etterpå. Det skal vi sørge for at den nye regjeringen gjør, når det blir en regjering med en helt annen kulør enn den vi har i dag. representanten vil ta opp noen forslag? Jeg vil ta opp forslagene som er fremmet på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti og forslagene som er fremmet på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Representanten Vigdis Giltun har tatt opp Jeg vil også begynne med å takke forslagsstillerne i denne saken. Funksjonshemmede er en gruppe som trenger vår særlige oppmerksomhet. Noen trenger litt mer for å ha like mye. Selv om konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter nå endelig er trådt i kraft, betyr ikke det at vi kan si oss fornøyd. Det er en milepæl – en viktig milepæl – men det er ikke noe hvileskjær. Tvert imot: At konvensjonen nå er ratifisert, bør være en inspirasjon til enda videre handling. Jeg vil også takke saksordføreren for et veldig godt poeng, intendert eller ikke, i starten av innlegget, når han sier at denne saken tar opp saksfelt som omhandler Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Finansdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Grunnen til at jeg honorerer det, er jo nettopp at de utfordringene funksjonshemmede – og kanskje særlig funksjonshemmede barn – står overfor, ikke tar hensyn til hvordan vi organiserer vårt samfunn eller våre departementer. Det handler om virkelige problemer for virkelige mennesker. Jeg vil som sagt berømme forslagsstillerne. Her er det mange gode forslag, derfor er jeg glad for å kunne Vi er helt på linje med Kristelig Folkeparti når det gjelder rådgivning til foreldre som venter, eller som har fått, et funksjonshemmet barn. At et nytt barn kommer til verden, er alltid en glede uansett. Men det er ikke så lett å vite hva man kan vente seg når man får beskjeden om at man har fått eller skal få et funksjonshemmet barn. Høyre vil altså styrke denne rådgivningstjenesten. Men barn blir voksne, og funksjonshemmede skal få leve gode, frie liv på lik linje med alle andre i samfunnet. Derfor støtter vi også forslaget fra Kristelig Folkeparti om brukerstyrt personlig assistanse, inkludert at man skal få velge leverandør selv. Det er synd at dette ikke allerede er på plass. At regjeringen skulle ha somlet med rettighetsfesting av dette i snart åtte år, er nesten ikke til å tro. Men nå er det på høring, og 1. august er høringsperioden over. Når det gjelder forslagene om pleiepenger og omsorgslønn, vil jeg understreke at Høyre støtter intensjonen i disse forslagene. Dersom man har et sykt eller svært pleietrengende barn, skulle det bare mangle at man ikke fikk støtte fra samfunnet som gjør at man er i stand til å ta vare på det. Men Høyre mener det er viktig at alle ordningene som dette gjelder, ses i sammenheng, og at man får en helhetlig løsning på plass. Derfor ønsker vi å vente på et helhetlig forslag fra regjeringen på dette området, før man endrer dagens ordninger. Vi kan vel – mange av oss i denne sal – være veldig enige om at forutsigbarhet ikke nødvendigvis er det som foreldre med funksjonshemmede barn har vært «plaget» mest med i de senere årene. Men Høyre støtter forslag nr. 5 i innstillingen, der det bes om en stortingsmelding, og støtter derfor ikke de mer detaljerte forslagene. Vi er ikke alle like, men vi som samfunn skal ha plass til alle, fordi vi kommer i forskjellig innpakning. Det innebærer at vi må ha gode, anstendige ordninger for dem som har særskilte behov. I forslaget fra Kristelig Folkeparti er det mange gode forslag som ville ha fått oss noen skritt på veien mot et enda bedre samfunn. Av komitébehandlingen og av debatten til nå kan vi ikke annet enn å konstatere at regjeringspartiene vil stemme ned samtlige forslag kanskje ikke fordi de mener alle disse forslagene er dårlige, men fordi de er fremmet av feil stortingsrepresentanter. Det er forstemmende. Skulle det nå være noen flere forslag som ikke er tatt opp, gjør jeg så gjerne det. Representanten Sylvi Graham har teke opp det forslaget ho refererte til. Også i denne stortingsperioden fremmer Kristelig Folkeparti et representantforslag om tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og det er det behov for. Selv om noen forbedringer har kommet siden sist, er det også andre forhold som ikke har bedret seg – ja, som sågar har gått feil vei. Jeg vil konsentrere innlegget mitt om to av forslagene, nemlig retten til brukerstyrt personlig Når det gjelder pleiepenger, er statsråden og regjeringspartiene gjennom flere debatter og spørsmål gjort oppmerksom på at mange familier med syke barn har mistet pleiepenger de tidligere fikk, og terskelen for å få pleiepenger er blitt høyere. Senest i forrige uke fikk jeg en ny henvendelse fra nok en familie som har fått varsel om at pleiepengene nå opphører, til tross for at barnet er meget sykt og har en progredierende sykdom. Statsråden har i tidligere svar om pleiepenger henvist til at hun vil vurdere regelverket i oppfølgingen av Kaasa-utvalget. Men når skal det skje? Ifølge en nylig fremlagt stortingsmelding fra helseministeren skal dette skje gjennom et program for fremtidsrettet pårørendepolitikk, hvor nye utredninger er varslet. Dette er nå også bekreftet av helseministeren i svar på skriftlig spørsmål fra Kristelig Folkeparti i forrige uke. Mange familier har ventet i spenning det siste året og håpet og trodd at ordningen med pleiepenger skulle forbedres. Det er forresten oppsiktsvekkende å lese statsrådens svar til komiteen på Kristelig Folkepartis forslag om pleiepenger. Ja, vi gikk langt i vårt forslag. Vi har nå justert det noe når det gjelder nivået, men vårt anliggende er barnets behov og familiens eksistens med krevende sykdomstilstander. Statsråden er først og fremst opptatt av hvor dyrt det er, og av at det vil «kunne ha uheldige virkninger for målet om arbeid heller enn å motta trygd». Som om ikke disse familiene heller ville hatt friske barn og selv jobbet fullt! Men de kan jo ikke det når barnet er sykt – de kan jo ikke overlate barnet til fremmede. Vi snakker kun om svært alvorlig syke barn. Retten til brukerstyrt personlig assistent vil ikke komme til behandling i Stortinget før valget. I åtte år har regjeringen latt denne saken vente. Nå er et høringsforslag ute, men her legges det opp til en helt annen ordning enn dagens. Komiteen påpeker i innstillingen – og saksordføreren sa det også at det følger av ordningen at brukeren avgjør hvordan og til hvilke oppgaver den personlige assistenten skal brukes. Ja, det er sånn i dagens ordning, men dette er foreslått endret. Brukeren skal ikke lenger selv få bestemme hva assistenten skal gjøre. En rekke oppgaver de gjør i dag, skal nå falle utenom ordningen, f.eks. støttekontakt, avlastning, det kommunen kan Gjennom denne fragmenteringen vil det være svært få som kommer opp i et timetall på 25, som skal være innslagspunktet. Dessuten kan de bare bruke assistenten i egen kommune, foreslår regjeringen. Brukerstyrt personlig assistent skal gi frihet, likestilling og samfunnsdeltakelse. Høringsnotatet handler om begrensninger, fragmentering og innstramminger trist og overraskende. Dette er det ikke bare denne representanten som har lest, trodd og forstått. Jeg har allerede hatt møter med brukerorganisasjoner som har oppfattet det på samme måte. I tillegg sier en del brukerorganisasjoner at med dette forslaget fra regjeringen altså høringsforslaget – er det kun en tredjedel av dagens brukere som vil få rett til brukerstyrt personlig assistent. Forslagene i dokumentet gjelder tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det gjelder i hovedsak Helse- og omsorgsdepartementets, Arbeidsdepartementets, Kunnskapsdepartementets og Finansdepartementets ansvarsområder, som det jo er blitt påpekt her. Mitt departement, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, koordinerer arbeidet for likestilling og mot diskriminering på ulike diskrimineringsgrunnlag, herunder personer med nedsatt funksjonsevne. Loven om forbud mot diskriminering er mitt ansvar. Alle skal ha like rettigheter, plikter og muligheter på alle områder i livet, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, religion, seksuell orientering eller funksjonsevne. Personer med nedsatt funksjonsevne skal sikres full deltakelse og likestilling. Det er også noe av det flotte som ligger i konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, som dette skiftet av fokus fra at man primært er opptatt av individuelle forhold ved personer med nedsatt funksjonsevne, og at svaret på det er helse- og sosialtjenester, til å se på likestilling, deltakelse og menneskerettigheter. Med det følger en hel rekke forpliktelser også med tanke på hvordan vi nærmer oss dette feltet, som vi skal følge med spenning, og som vi kommer til å være Det påhviler oss også et ansvar for å sørge for at vi snakker om disse menneskene nettopp som likeverdige, som individer. Det handler om at vi på alle områder tilstreber likestilling. Diskriminering er menneskerettighetsbrudd. Likestilling er en forutsetning for et inkluderende samfunn og for god økonomisk utvikling. Mennesker med nedsatt funksjonsevne lever altså hele liv, som representanten Brandvik påpekte i stad. De stemmer, de reiser utenlands, og de kan til og med være stortingsrepresentanter hvis det blir godt tilrettelagt for det. Det er også sånn at mange som i dag er funksjonsfriske, på et eller annet tidspunkt i livet sjøl vil ha behov for bistand fordi de får en form for funksjonshemning. Å sørge for et inkluderende samfunn på dette området dreier seg også om det man kan kalle opplyst egeninteresse, nemlig at i dag er det du som trenger bistand, i morgen kan det like gjerne være meg. Det å ha et inkluderende samfunn på alle områder, et samfunn som legger til rette for likestilling og deltakelse, er i alles interesse. Det handler grunnleggende sett om menneskerettigheter. Familien er for de fleste den viktigste rammen rundt barnas oppvekst. Barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal så langt det Familien er for de fleste den viktigste rammen rundt barnas oppvekst. Barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal så langt det er mulig vokse opp hjemme hos sin familie. Det offentlige skal tilby tjenester som barnehage, skole, helsetjenester og omsorgstjenester og skal behandle innbyggerne – enten de er såkalte brukere, pasienter eller pårørende – som enkeltmennesker med individuelle behov, faglig god kvalitet. Dette er verdier som er nedfelt i regelverket for helse- og omsorgstjenestene. Flere representanter har påpekt behovet for samordning av tjenestene – behovet er helt åpenbart. God som vi må jobbe strategisk og langsiktig med – og respekt og tilgjengelighet til de tjenestene som finnes der ute. Erfaringer fra barnevernet, som jeg jobber tettere med i det daglige, viser at det er et stort behov for kunnskap og samordning både horisontalt og vertikalt. Det kan også bidra til bedre hjelp. Det er ofte mange hjelpere der ute, men det er ikke alltid man hjelper sammen. Når det blir for mange som skal hjelpe de samme menneskene uten at man vet om hverandre, hender det at det ikke blir god hjelp, men at det heller blir rot, og at det blir problemer for dem som egentlig skulle motta hjelp. Det er ikke riktig som representanten Graham sa, at disse forslagene som nå blir fremmet, blir nedstemt fordi det er feil representanter som fremmer dem. Mange forslag som er fremmet her i salen, at regjeringa ser områder som trenger et løft, bidrar til diskusjoner internt i regjeringa og bidrar til diskusjoner ute i samfunnet, som igjen endrer holdninger og oppfatninger. Det hender også at vi allerede er i gang med og jobber med forslag som fremmes – som representanten Brandvik påpekte. Vi har selvfølgelig også behov for å samordne oss internt – også inn mot budsjettprosessene. Det er legitimt for en regjering. Det blir replikkordskifte. I denne saken har det blitt fremmet et forslag, vi har drøftet, og vi har fått svar fra statsråden vedrørende Kaasa-utvalgets utredning som kom i 2011. Det sies i statsrådens svar til oss i komiteen at vi ikke kan få noen kommentarer til det nå, fordi det skal legges fram et program for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk – som ikke minst skal bidra til at pårørende blir verdsatt og synliggjort, og som gir økt likestilling, som vi nettopp har snakket om. Det programmet fremstilles som om det skal komme i faser. I første fase skal det legges vekt på tiltak som støtter pårørende, og i andre fase skal det være endringer i de økonomiske kompensasjonsordningene. Jeg ønsker å spørre statsråden: Når er de fasene? Dette programmet er satt i gang av Helse- og omsorgsdepartementet, og for å få detaljene om når dette skal være ferdig, vil jeg henstille til at man stiller spørsmålet direkte til dem, så kan man få et mer detaljert svar. Men det er riktig som representanten påpeker, at det er snakk om to faser, hvor man i første fase av pårørendeprogrammet skal legge vekt på tiltak som støtter pårørende og styrker samspillet mellom tjenestene. I neste fase skal man utrede spørsmål om endringene i de økonomiske kompensasjonsordningene og permisjonsbestemmelsene. Dette er et samarbeid mellom Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. For å få detaljerte svar på tidsaspektene vil jeg henvise til de berørte departementene. Eventuelt kan vi, hvis det er ønskelig, svare på vegne av dem i en skriftlig henvendelse Presidenten tillèt at representanten Sylvi Graham får ein ny replikk. Da er det behørig nedfelt i loggen at vi er utålmodige, at vi har etterlyst dette arbeidet, og at vi er blitt lovet et svar hvis vi bare sender et skriftlig spørsmål. Det skal vi nok gjøre. Jeg har et lignende spørsmål når det gjelder BPA. Vi vet at høringsrunden vedrørende BPA varer fram til 1. august, og vi vet også at Stortinget ba regjeringen komme raskt tilbake med et opplegg. Da blir det helt likelydende spørsmålet: Når kan vi vente noe til Stortinget om dette? Da blir svaret: så raskt som mulig. Det er klart at når man legger opp til en høring, er det nettopp for å høre hva høringsinstansene mener. Hvis vi skal ta deres synspunkter på alvor, må vi ha en ordentlig prosess når vi har fått innspillene. Det vil avhenge av hvor mange synspunkter som kommer, hvor vektige de er, og om de avviker mye fra forslagene som er sendt ut på høring. Statsråden sa seg enig i at dette med koordinerte tjenester var et problem. Det er nettopp der mange sliter. De finner ikke fram i de forskjellige ordningene, og tjenestene passer ikke sammen. Hva vil statsråden gjøre for å bedre den situasjonen? Vil statsråden sørge for at det blir en koordinator til alle familier med funksjonshemmede barn, i alle kommuner, sånn at dette endrer seg og de ikke skal fortsette å slite like mye som de har gjort til nå? Så et spørsmål når det gjelder BPA. Som jeg var inne på, er det en kommunal ordning som gjør at det må søkes i hver enkelt kommune, og at personer faktisk kan miste retten til BPA Når det gjelder andre rettigheter i samfunnet, har man dem uansett hvor man bor. Ser ikke statsråden også det som et problem? Vil statsråden se på muligheten for å lage en statlig ordning for BPA? Det er riktig at det er variasjoner i det tilbudet som folk har, avhengig av hvor i landet man bor og hvilken kommune man bor i. Det er et tema som stadig er oppe til debatt. Det er fordeler ved det, og det er ulemper ved det. Den diskusjonen om hvor mye som skal ligge til staten, og hvor mye som skal være overlatt til kommunene, tror jeg kommer til å gå – i hvert fall så lenge jeg er politisk aktiv. Når det gjelder spørsmålet om BPA, er den saken ute på høring, så den vil jeg ikke kommentere før til å gå gjennom høringssvarene. Vi er uansett fra SVs side, som jeg representerer, veldig glad for at vi nå er et stykke lenger i den saken. Angående koordinering av tjenestene er det sånn at kommunene i dag har en lovpålagt plikt til å tilby en koordinator til pasienter og brukere som har langvarige behov for tjenester, og som har behov for å koordinere dem. Hvis det er behov utover det, må vi diskutere hva vi eventuelt kan gjøre for å legge bedre til rette. Men det er åpenbart sånn at vi trenger å samordne tjenestene våre bedre. Det er jo slik at vi har ratifisert konvensjonen, og det er veldig gledelig. Statsråden holdt et godt innlegg om likestilling, integrering og rettigheter. Slik vi leser konvensjonen og har behandlet den, også i komiteen, gjelder den full deltakelse i alle sammenhenger og på alle samfunnsområder, og det er viktig. Når det gjelder de funksjonshemmede og den høringen som regjeringen har ute nå, og som det er Når det gjelder de funksjonshemmede og den høringen som regjeringen har ute nå, og som det er høringsfrist på 1. august, vil jeg ta et eksempel fra min egen kommune. Jeg bor i én kommune, og kinoen – eller de aller fleste tilbud som går på f.eks. fritid – er i en annen kommune. Du skal altså ikke kunne ta med deg den brukerstyrte personlige assistenten som du muligens har fått rett til i egen kommune, over i en annen kommune. Synes statsråden at dette er skikkelig god deltakelse? Jeg synes jeg kjente antydningen til et ledende spørsmål i den andre enden her. Nå er denne saken ute på høring, så jeg opplever ikke at det er riktig av meg å kommentere spesifikke sider ved den før vi har fått høringssvarene, og så får vi ta det derfra. Replikkordskiftet er slutt. Dei talarane som heretter får ordet, har ei taletid på inntil 3 minutt. Jeg forventer ikke å forlenge debatten mye, men når BPA og spørsmål om det kommer opp, er jeg som representant kanskje i en litt mer fristilt stilling enn det en statsråd vil være. Jeg skal derfor driste meg til å tolke det som ligger på bordet, og som er ute i høringsbrevet. For det første handler dette om en avgrensing av hvem som utløser en rett til BPA. Det aller viktigste med det som ligger ute til høring nå, er at plikten til å tilby BPA ikke endres i det hele tatt med alle forskrifter og tilhørende herligheter – hvis vi kan beskrive det sånn. Det betyr at mulighetene til å ta med deg en assistent over en kommunegrense ikke endres. I dette dokumentet ligger det ingen endringsforslag som sier noe om at man skal begrense bruken av det, men det setter en ramme rundt hvem som automatisk skal utløse en rett. I dag er det sånn at kommunene har plikt til å tilby som innbygger i en kommune har jeg ingen rett til å få det. Det er en balansegang mellom disse to tingene, og den er det satt en del rammer rundt. Jeg antar at bakgrunnen for at vi har fått en debatt som handler om vi skal få lov til å krysse kommunegrenser eller ikke, er den biten som går på dette med retten til å få nødvendig helsehjelp. For i alt vårt lovverk – også det som ligger som grunnlag for BPA-ordningen – er det sånn at det er i den kommunen du oppholder deg, at du utløser en rett til nødvendig helsehjelp. Det betyr at hvis jeg skulle være frimodig nok til å reise til mine foreldre i Nord-Norge, så har jeg rett til helsehjelp i den kommunen når jeg er der – men det ville være helsehjelpen. Hvis jeg har BPA-ordningen, har jeg rett til å ta den med meg, men ikke nødvendigvis til å få hjemmesykepleie i en annen kommune – hvis det skulle være behovet, hvis det ikke er en del av BPA-ordningen. Disse tingene tror jeg vi skal komme tilbake til i andre former og settinger, og i litt mer ryddige former, men det er viktig at vi tar med oss videre at endringen ikke handler om plikten til å levere BPA. Den blir ikke endret ved forslaget som foreligger, men det er en avgrensing av hvem som automatisk utløser en rett

der en del oppgaver som de i dag kan velge å bruke sin personlige assistent til, ikke skal kunne gjøres for dem som får denne retten. Slik oppfatter denne representanten det. Slik har flere brukerorganisasjoner oppfattet det. Det er også riktig at dette er regulert i og omsorgslovgivningen, og det burde det faktisk ikke vært. Dette burde vært regulert i annet lovverk, kanskje under herværende statsråd, fordi funksjonshemmede ikke er syke. De har behov for en del hjelp i hverdagen som kompensasjon for funksjoner som de kanskje ikke mestrer. La meg ta et eksempel. I og med at dette er regulert i helse- og omsorgslovgivningen, vil f.eks. det å ta medikamenter kunne være et problem. Når helse holdes utenfor, vil det muligens være slik som Uloba og andre oppfatter det, at den personlige assistenten ikke skal kunne hjelpe deg å ta tabletten, selv om du ville vært fullt oppegående til selv å ta den hvis du f.eks. hadde hatt armer til det – la oss si dette er en funksjonshemmet uten muligheter for å røre armene. Dette blir feil. Man kan ikke holde dem som skal få rett til personlig assistent utenfor slike helse- og omsorgstjenester. Slik vi har oppfattet det, kommer du ned på et timetall som gjør at veldig mange funksjonshemmede ikke vil få denne retten fordi man fragmenterer ulike oppgaver og trekker dem ut. Det er bare å lese høringsnotatet. Jeg har lest det opptil flere ganger. Slik har jeg forstått det. Hvis det er feil – la oss håpe det – vil jeg si at det sannelig er ganske dårlig skrevet fra Det gjelder BPA-ordningen – brukerstyrt personlig assistent – og jeg har lyst til å referere det som en samlet komité har sagt om det. Det er riktig at dette er sendt ut på høring, og høringsfristen er 1. august. En samlet komité har sagt: «Komiteen vil streka under at av brukarstyrt ordning at det er brukaren som avgjer korleis og til kva oppgåver den personlege assistansen vedkomande får skal brukast.» Det prinsippet er i hvert fall allerede her avklart, så på det punktet burde det ikke være tvil om hva en samlet komité ønsker, og jeg regner med at det er førende for regjeringas videre behandling av saken. Det som imidlertid er det krevende her, og som jeg var inne på, er hvem som skal omfattes av ordninga. Jeg har i mange år vært engasjert i saken, helt fra samvirkeorganisasjonen Uloba startet sitt arbeid tidlig på og det som er hele forretningsideen – for å bruke det uttrykket – er at det er en brukerstyrt personlig assistent. Det er altså den som er funksjonshemmet, som skal styre sin assistent, slik at han eller hun skal kunne leve et mest mulig ordinært liv. Det som er krevende, er i hvilken grad det skal legges til rette for at nærstående personer skal kunne styre assistenten, dvs. når den personen det gjelder, og som er funksjonshemmet, ikke selv evner å styre sin assistent. Det er her vi er inne i krevende avgrensingsspørsmål. Jeg vil appellere til organisasjonene som er engasjert i dette temaet, til sjøl å delta i debatten om hvordan vi avgrenser det. For dess bedre en gjør det, og dess tydeligere en er rimeligere og lettere er det – etter min vurdering – å komme fram til gode ordninger i den prosessen som pågår. Hvis man ikke har gode ordninger, skapes det uklarhet og usikkerhet, ikke minst ute i kommunene som til sjuende og sist har ansvaret for disse menneskene dersom noe ikke skulle fungere. På dette området har derfor organisasjonene sjøl et ansvar for å avgrense det. Når det gjelder spørsmålet om hva personlige assistenter skal gjøre, er det avklart i innstillinga. Da er sak nr. 17 slutt. Då skulle me vere klare til å gå til votering i sakene nr. 2–17 på dagens kart. Under debatten er det

nei

Og då er det

forslaget. Under debatten er det sett fram i alt to forslag. Det er forslag nr. 1, frå Arve Kambe på vegner av Høgre forslag nr. 2, frå Hans Olav

Kristeleg Folkeparti og Venstre. Forslaget lyder: «Dokument 8:94 S – representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen, Ulf Leirstein og Morten Ørsal Johansen om handlingsplan for å bekjempe smugling og ulovlig innvandring

Ja, det vil

utenfor arbeidslivet.» Venstre har varsla at dei støttar forslaga. Under debatten er det sett fram i alt 13 forslag. Det er forslaga nr. 1–6, frå Vigdis Giltun på vegner av Framstegspartiet, Høgre og Kristeleg Folkeparti forslaga nr. 7–12, frå Vigdis Giltun på vegner av Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti